slik komiteen betrakter det, er den viktigste faktoren at den enkelte reisende har reiseforsikring. Det burde si seg selv, men rundt har ikke gyldig eller fullt ut dekkende forsikring. Det andre punktet er at når man reiser i utlandet, er man forpliktet til å følge gjeldende lands lover. Det til annen, å herske tvil om blant enkelte norske reisende. Det tredje punktet som er viktig å presisere, er at man ikke har noe rettslig krav på bistand når man reiser i

Vi har 95 ambassader og generalkonsulater, og vi har så mange som 380 honorære konsulater. La meg legge til fra Høyres side at det er viktig at i fordelingen av og stedsvalgene for ambassader og generalkonsulater legges til grunn relevans i forhold til norsk næringsliv, relevans i forhold til hvor vi er til stede studenter, og relevans i forhold til politisk viktighet av lokasjoner. Vi har tidligere hatt flere debatter på det, selv om Stortinget for så vidt normalt sett ikke har en altfor sterk mening om hvor verken ambassader eller generalkonsulater skal legges. Punkt

at man ved grov uansvarlighet, eller for den saks skyld av allmennpreventive hensyn, legger til grunn et erstatningsansvar i etterkant. Komiteen mener det er viktig å statuere noen eksempler. Det er viktig at man som reisende vet at dersom man

på stadig mer eksotiske steder med stadig større forventninger om hva som skal Det gjør det positivt og ekstremt viktig at man lærer av feil. Det har blitt begått en rekke feil hva gjelder bistand gitt, eller

positivt, og at det også vil bidra til en jevnere og likere behandling av ulike reisemål, og dermed også av nordmenn i ulike hjørner av verden. Det er også viktig å få frem her at det

i tråd med dette har skrevet om likere behandling. Det passer jo utmerket til denne debatten og ikke minst denne saken. er det igjen full støtte til det samarbeidet som foregår både internt i Norden og også i EU ved at frem til godt, relevant samarbeid for å yte en best mulig tjeneste til våre reisende og dem som måtte befinne seg i utlandet til enhver tid.

satt opp mot hverandre, vil komiteen, og åpenbart også regjeringen gjennom meldingen, prioritere nordmenn på korte reiser fremfor dem som er bosatt i utlandet over lang tid. Det er riktig. Takk til saksordfører for

av budskapet i dagens innstilling er at hvis du reiser utenlands, er det ikke så sikkert at vi kan hjelpe deg – særlig ikke hvis du reiser langt.

Hovedbudskapet er altså at når vi reiser ut, kan vi ikke forvente at norske myndigheter skal holde sin beskyttende hånd over oss hvor hen vi ferdes i denne verden.

Vi slår oss også oftere ned i andre land, for en tid eller for en pensjonisttilværelse i behageligere klima. Vi benytter oss av flere tjenester Alt dette kan skaffe oss problemer vi i utgangspunktet må være forberedt på å håndtere selv. Vi har ambassader i 95 land som kan bistå med råd og kanskje hjelp om vi møter problemer i Men det er viktig å vite at det er klare begrensninger for hva norske myndigheter kan bistå med i andre land. Når man den norske velferdsstaten med som nissen på lasset. Den forblir her hjemme, selv om det er mange eksempler på at utenrikstjenesten strekker seg

Utenriksdepartementet ikke var rigget for å håndtere en katastrofe som skjedde langt borte, men som ble nær fordi mange nordmenn var rammet. Det andre var hvor store forventninger mange av dem som ble rammet, hadde til at norske kunne være på plass med hjelp til dem. I dag er operasjonssentralen i drift. Det er ett nødnummer man kan ringe. Det er mulig å si fra hvor man drar, så myndighetene vet hvor man er. Det er mulig å hente god informasjon om landet man skal til, bl.a. om lover og skikker det kan

tilstedeværelse er samarbeidet med våre nordiske naboland. Det må vi søke å bygge ut, til gjensidig glede. Vi må også søke å kople oss på EUs samarbeid på dette feltet når utviklingen av dets felles utenrikstjeneste hva vi forventer av service hjemmefra når vi er på tur. Av og til strekker ambassadens ansatte seg lenger enn langt. Jeg hørte en historie om en

enten det dreier seg om sykdom, krise eller andre ting. Det handler om mennesker og menneskers følelse av å bli fanget opp når de er i fritt fall.

Det har gått år mellom disse to hendelsene, og når ting gjentar seg, betyr det at de nødvendige forbedringer ikke har vært gode nok. Jeg er overbevist

Som det også står i meldingen, reiser vi til eksotiske steder hvor ting kanskje ikke er helt som man forventet seg før man forlot landet Jeg kunne tenke meg å spørre utenriksministeren om hvordan man har løst utfordringene med at vi har og kanskje må ha hjelp der. Har vi styrket bemanningen på disse utenriksstasjonene for å ta høyde for dette?

likhet med resten av komiteen passe på å understreke at nordmenn på reise i utgangspunktet har ansvar for seg selv, og at enhver som reiser ut av Norge, bør ha Utenriksstasjonene våre må ikke bli et sted man går når man er blitt tom for penger og trenger en billett hjem. Jeg har ikke etter å ha brutt dette lands lover, enten det gjelder narkotikasmugling eller kjøp av sex fra mindreårige. Når man begår forbrytelser i utlandet, må man også ta høyde for at man faktisk tatt. Og jeg har svært liten forståelse for at disse vil hjem og sone her i landet. Dessverre er vel også dette et økende problem, men jeg mener vi ikke skal prioritere det. Fremskrittspartiet er derfor svært fornøyd med at regjeringen har prioritert akutte og alvorlige saker der liv og helse står på spill samt saker som bryter med menneskerettighetene, og saker som

det gjelder barnebortføring. Vi kan tenke oss at utenrikstjenesten i større grad er aktive i å bidra til at foreldre kan komme

vi har sett eksempler der utenrikstjenesten har deltatt aktivt i barnebortføringssaker for å få barn tilbake til Norge, og der det har vært svært Det krever mot for å være aktiv og ta kontroversielle beslutninger. Fremskrittspartiet er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd, og håper at utenrikstjenesten også for ettertiden vil kunne Jeg har hatt gleden av å bo utenlands i noen år, og jeg har sett og erfart hvilken nytte og glede man som nordmann i utlendighet har av utenrikstjenesten. Det utenrikstjenesten. Det samme gjelder også for Sjømannskirken. I et land som Brasil, som er landet jeg bodde i, hadde sjømenn og bofaste nordmenn stor glede av å komme til Sjømannskirken og oppleve et lite stykke Norge langt utenfor

og vi har mer og mer kontakt med omverdenen. Det som slår deg når du følger debatten,

nok innsikt i hva som har skjedd der, men det man ser, er at man i det landet har en rettsikkerhet som ikke er forsvarlig, og derfor må norsk UD stille opp. Men også i den saken har vedkommende som reiser ned, et egenansvar for at man reiser inn i en sånn situasjon. Det jeg synes er bra i denne meldingen, er at man er helt tydelige på at vi har et norsk UD som skal bidra, hjelpe, støtte og sørge for at internasjonale lover og regler blir fulgt opp, at vi har en god konsulær utenrikstjeneste, men at det er

sammenheng. Jeg vil slutte meg til representanten Slagsvold Vedum, som sier at han håper denne grad av felles oppfatning også står seg når det begynner å blåse. Og det blåser ofte når nordmenn er på tur. Jeg vil

som mange nordmenn opplever. Men la meg først si at stort sett er det jo mye glede knyttet til at folk reiser: gode opplevelser – det er viktig for Norge at vi er et farende folk. Men de som jobber på ambassader, de som jobber ved telefonen som ringer når det er en liten, eller stor, personlig krise, er folk som gjennomgående gjør en stor og viktig jobb og har stor grad av empati, og UD vil alltid ha som holdning at vi skal

Norge, og det er godt for oss å ha med oss. Men jeg vil si det slik at UD, enten det er her i Oslo, på utenriksstasjoner, i som er bemannet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken – vil gjøre det vi kan for å hjelpe. Det er vår holdning, og det anser vi også for å være vår plikt. Så er det en del viktige punkter i meldingen som komiteen har svart veldig godt på. Det ene er kort fortalt om at du kan bli økonomisk ansvarlig om du setter deg i et uføre hvor du har stor grad av skyld for det selv. Jeg synes det er viktig at det er

jeg ikke dette er en enkel vei. Det er ikke enkelt å se for seg tilfeller hvor man kan summere opp en regning og sende den til vedkommende som er kommet i et uføre. Men at prinsippet er slått fast, er viktig for oss

alt fra betydningen av å tegne reiseforsikring. Det høres jo litt ut som et budskap fra en ansvarlig forelder til folk på reise, men det er viktig at det budskapet blir sendt. Vi

Så er det reist en del spørsmål. Hvem skal få tilbud om bistand? Ingen har rettslig krav på dette, men – som representanten Woldseth var inne på – vi får nye grupper som reiser, og til komplekse steder.

Så er vi jo opptatt av likebehandling. Det er et viktig prinsipp i norsk forvaltning. Men likevel kan det være grunner til forskjellsbehandling av andre årsaker. For eksempel vil du, hvis du er uten pass i Østerrike, eller midt i Nigeria, få ulik type av hjelp, rett og slett ut fra hva som er mulig for utenriksstasjonen. Hvis du er på tur i Canada, i de nordlige områdene, eller du er i Nederland, er det de samme geografiske forhold som gjør seg gjeldende. Det kan også være spørsmål om for vårt eget personell, hvor de kan gå inn, og hvor de kan hjelpe, og om adgang, altså hvor de slipper til for å yte hjelp. Det kan være oppunder Himalaya, men også i krigsområder hvor det er vanskelig. Så vil jeg si til sist at ja, det har skjedd en betydelig opprustning etter tsunamien. Jeg vil også anerkjenne tidligere utenriksminister Petersen for å ha startet det arbeidet på slutten av sin regjeringstid. Vi har fulgt dette nøye opp. Vi er blitt testet i

omfang av bistand til nordmenn i utlandet. Vi vil i samarbeid med UDs samarbeidspartnere være profesjonelle, effektive og ressursmessig forsvarlige og gi bistand til nordmenn i utlandet også i

barnebortføringer både til og fra Norge. Så spørsmålet mitt til utenriksministeren blir: All den tid dette er helt elementært og svært viktig for norsk utenrikstjeneste, hvordan akter utenriksministeren å følge dette opp med konkret handling for opp med konkret handling for å få på plass en mest mulig lik og god
Dette er jo et felt hvor vi må arbeide tett med Justisdepartementet, som er rette instans når det gjelder de rettslige, politimessige sidene av de sakene. Så mitt generelle svar er at dette prioriterer vi fordi sakene Så mitt generelle svar er at dette prioriterer vi fordi sakene er ganske mange. Vi jobber tett sammen med Justisdepartementet på det og vil fortsette med det. Samtidig er min erfaring at dette ofte er svært vonde og vanskelige saker. Som representanten sier: Det er forbudt å bortføre barn. Men det

Men det er jo da ofte grunnet i alvorlige barnefordelingskonflikter, konflikter mellom foreldre, hvor barna ofte er den uskyldige part. Vi ser at det blir flere av de sakene, og vi må altså kunne være i stand til å løse dem. Som noen pekte på her: Utenrikstjenesten har i mange saker – ikke alle er kjente – spilt en viktig rolle i å forsøke å finne Så har vi noen som er høyt profilerte, og som har vært dramatiske. Det viser litt hvordan også utenrikstjenestens folk kan være utsatt, da i førstelinjen. Med tett samarbeid med justis- og politimyndighetene skal vi søke å gjøre det vi kan for å

langt. Nå ser vi jo en endring av maktstruktur rundt om i verden, hvor vi må reise langt. Jeg vil jo tro at både næringsinteresser og norske borgere vil reise til f.eks. Kina,

om utenriksministeren tenker seg at nordmenn ikke skal få den samme hjelpen hvis de faktisk reiser til de nye stormaktene i verden, altså at det skal bli vanskeligere å få hjelp der enn om man reiser rundt

Men jeg tror vår holdning vil være, bygget på norsk forvaltningstradisjon: likebehandling basert på utenrikslovens bokstav om at vi skal være til assistanse for nordmenn. Men så må vi erkjenne at jo lenger unna, jo mer annerledes jo mer annerledes tilgangsmuligheter, vil ha noe å si for muligheten vi har til å yte hjelp. Men jeg tror at i norsk forvaltning – det er min erfaring – står prinsippet om likebehandling veldig sterkt, og det vil også motivere stasjonssjefer og de som jobber i utenrikstjenesten ute. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil starte med å gratulere utenriksministeren med for

håndtere, innenfor de gjeldende prinsippene som Stortinget trekker opp. La meg derfor også si at Arbeiderpartiet, og for så vidt også alle andre, er enig i de skisserer. Vår utenrikstjeneste har om lag 80 000 konsulære saker hvert eneste år. De fleste av dem er helt greie, og gjelder uheldige nordmenn i

folk som utsetter seg for stor risiko med vitende og vilje, folk uten reiseforsikring som havner i problemer, blir syke eller dør i utlandet. Det kan være folk på helsereise, som kan få alvorlige som kan skape stor oppmerksomhet og overskrifter i mediene, og legge stort press på oss politikere og utenrikstjenesten om handling. Det er ikke alltid sånn at norske myndigheter skal ordne opp eller bør ordne opp, eller at det er realistisk at vi kan klare det. Samtidig er det ikke lette avveininger, og det er spesielt vanskelig når unger er involvert. Jeg er glad for at norsk utenrikstjeneste nå har døgnbemanning for å bistå nordmenn i nød i utlandet. Likevel: Velferdsstaten er ikke oppblåsbar, og kan ikke fjerne all risiko for nordmenn på tur. Det er det heller ingen grunn til.

derfor veldig viktig for å redusere gapet mellom forventninger og hvilke tilbud som faktisk finnes. For eksempel er det viktig at folk vet at norsk utenrikstjeneste også må forholde seg til at norsk utenrikstjeneste også må forholde seg til de reglene som er i det landet der utenriksstasjonen ligger. I år vil ca. 1,2 mrd. kr utbetales fra forsikringsselskapene i erstatningsoppgjør fra reiseforsikring. Antall saker de har, er over 100 000. Likevel er det rundt av dem som reiser utenlands, som ikke er forsikret, og mange av dem havner i fanget på norske utenriksstasjoner. Jeg har lyst til å bruke litt tid på

straffes. En del trygdemisbrukere reiser utenlands. Jeg har bare lyst til å understreke herfra at det er viktig at den adgangen og plikten man ved lovverket har til å melde fra ved berettiget mistanke om trygdemisbruk,

på inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlem av

i hvert fall burde FN være det. Etter mange år med stigende ressurstilgang er det flere land som reduserer sine tilskudd til organisasjonen. Dette krever organisasjonsmessige endringer og prioriteringer.

Nå er det viktigere enn noensinne å trappe ned de mindre viktige aktivitetene i FN, slik at det arbeidet som er viktigst, kan fortsette som før eller forsterkes og forbedres. Jeg synes det er bra at komiteen er enig her. Regjeringen har et samlet storting bak seg i det videre arbeidet i denne prosessen. Den svenske regjeringen har også tatt dette på alvor.

Storbritannia har foretatt en slik gjennomgang,

i FNs underorganisasjoner. Nå venter vi på konklusjonene og en klarere prioritering av ressursbruken fra regjeringens side. Prioriterer man alt, Tungrodd og ineffektivt byråkrati motvirker gode resultater. I dag ble det kjent at regjeringen støtter Ban Ki-moons ønske om en ny periode som generalsekretær i Det er sikkert noe det vil oppstå debatt om. Uansett er det viktig at generalsekretæren tar tak i det

Den debatten vi har her i dag, er en årlig seanse, men den er ikke uten betydning. Det er diskuterer FN, ikke minst for å understreke at det er viktig at vi har en organisasjon og en global møteplass som på en best mulig måte skal kunne bidra til trygghet og fred, til utvikling og til at menneskerettighetene respekteres. Når over 100 stats- og regjeringssjefer var med på åpningen av

i Generalforsamlingen at det kan bli høy temperatur når enkelte statsledere går på talerstolen, slik som da Irans president kom med ganske grove påstander, om

fra denne talerstolen at FN ikke er bedre enn det medlemslandene gjør organisasjonen til, og det mener jeg er helt riktig. Norge har store ambisjoner for FN, både politisk og ikke minst i forhold til å få en bedre organisert og effektiv organisasjon. Vi har i Stortinget diskutert behovet for reformer, for mer og det er bred enighet om at det er nødvendig. Det er derfor bra at Norge som land har dette så høyt på dagsordenen, og at vi gjennom våre posisjoner i FN jobber kontinuerlig med dette. I meldingen skrives det at man kan spore en polarisering mellom sør og nord – i sør anført av enkelte aktive land i G77, og i nord av bl.a. EU. Jeg har merket meg det som skrives omfattende samordningen i EU, som tidvis har ført til en sementering av de posisjonene landene har. Polariseringen gjelder både i forhold til politikk rundt en del følsomme spørsmål og i forhold til en framtidig finansiering av at man ikke ønsker økning, samtidig som landene i sør nettopp forventer det, er det bekymringsfullt. Jeg mener ikke at man ukritisk skal bevilge penger til FN, men det er helt klart at hvis man skal få på plass reformer og få en bedre

ikke slik at FN ikke bidrar til resultater. Arbeidet med tusenårsmålene, f.eks., viser at det er mulig å samle verden om mål hvor det faktisk skjer store framskritt. I en verden preget av konflikter og fattigdom kreves det en for å få resultater, både fra enkeltland og fra FN som organisasjon. Når man går ser vi at det er oppnådd mye, selv om vi fortsatt har en lang vei å gå på enkelte av målene. Norge har hatt særlig fokus på barnedødelighet og mødredødelighet. Det mener jeg har vært helt riktig, og det er gledelig at påtrykk fra Norge – nå blir prioritert høyt. Jeg er også glad for at Norge har vært en sterk pådriver for opprettelsen av UN Women. Kvinner er særdeles viktige både for fattigdomsreduksjon og for fredelige løsninger på

sette stort trykk på i FN, og det er kampen mot dødsstraff. Vi diskuterer ikke det ofte hjemme i Norge, men hver eneste dag drepes hundrevis av mennesker med

en pådriver der. Til slutt: Det er viktig at Norge gjør en innsats for å forbedre de ulike delene av FN. I innstillingen blir fordi det også var tema sist vi hadde denne runden i Stortinget. Da ønsket komiteen en evaluering av Norges rolle der og en vurdering av det nye rådet. Den vurderingen er det viktig at Stortinget får.

sikkerhetsrådsreform, som er en evig tilbakevendende diskusjon. Man ser at Sikkerhetsrådet i dag ikke nødvendigvis reflekterer de økonomiske og politiske maktforholdene i verden, og man opplever at de diskusjonene om reform som egentlig bærer i seg mye av det tankegodset som var relevant for 20–30 år siden, men som i dag ikke er like relevant. Det andre temaet knyttet til reform, er at man må sørge for at FN ikke glir inn i en slags irrelevans. Nye og uformelle fora tar over mye av den rollen som mange land er interessert i – bl.a. G20 og andre ikke-demokratisk valgte og det er klart at dette er en utfordring. La meg si at Sikkerhetsrådet nå – etter denne meldingen og denne sesjonen – har seg om en resolusjon som for første gang knesetter prinsippet om plikten til å beskytte sivile. Det er etter min oppfatning et stort framskritt, og det er også noe som Norge da har en plikt til å støtte opp om. Det har Norge gjort nå, noe Høyre er veldig glad for. Vi er et land som er og har vært en sterk støttespiller for FN. Dermed er det også viktig at vi stiller opp og bidrar til håndheving av resolusjonen.

gjøre noe med det. Så har det lenge vært en diskusjon i FN om konseptet «Deliver as One», og dette er fortsatt en stor utfordring for et stort FN-system. FN har noen deler som

der hvor den får mest effekt for mottakeren. Det betyr at vi kanskje må se med nye øyne på hvordan vi innretter våre bidrag i FN-systemet, og hvordan vi bruker og makten vi har, til faktisk å styre noe av det som skjer av reformarbeid. Det er også slik at enkelte av FN-organisasjonene, kanskje særlig UNDP, har fått en del kritikk for seg inn på andre FN-organers områder. Dermed dupliserer man en del av oppgavene som gjøres, og det er selvfølgelig ikke en heldig utvikling. er viktig for Norge av mange årsaker. En av årsakene er selvfølgelig at vi er et lite land som er avhengig av en verdensorden som er ledet av regler, og ikke bare av makt og trusler om makt. Vi har all mulig interesse i et sterkt FN som fungerer godt, og det er derfor vi må engasjere oss i reformarbeidet, noe vi også gjør. Til slutt bare et par ord om tusenårsmålene og oppfølgingen av dem. Det har også fra FN, kanskje spesielt fra

kommet en del, hva skal vi si, uro og bekymringer for at man har fokusert for mye på kvantiteten på tusenårsmålene, og ikke nok på kvaliteten, at man bare tenker på stor innrullering av barn på skole eller barn i uten at man egentlig jobber så mye med kvaliteten – at det er en stor utfordring i forhold til mange av tusenårsmålene at man også må få fokus over på innholdskvaliteten. Til slutt et jeg tror er viktig å ta med. Mange land som har store problematiske menneskerettighetssituasjoner, er veldig Det betyr at det har blitt vanskeligere å kritisere Meles Zenawi og hans regime nettopp fordi han og hans regjering er så viktige for å gjennomføre tusenårsmålene. Vi må finne en balanse der som gjør at det fortsatt er mulig å kritisere en statsleder når menneskerettighetssituasjonen er problematisk og man bedriver overgrep mot sin egen befolkning, uten at det gjør at man kommer helt i bakleksa når det gjelder oppfylling av

om saker som er knyttet opp mot det som skjer i FN. Hvis man tar et helt år, har vi mange gode debatter her om FN-relaterte spørsmål, og dem setter jeg pris på. De er viktige også fordi norske parlamentarikere på mange måter er involvert i FNs arbeid. Meldingen taler for seg, men bare et par refleksjoner. Jeg hørte representanten Eriksen Søreide, komiteens leder, si at «man» må sørge for. Det er en språklig norsk bruk på et ønske. Men «man» i FN er jo alle landene i verden. Det gjør FN både så kompleks og så fascinerende. FN er summen av det landene kan få til på godt og vondt. Jeg er enig med komitélederen når hun sier at Sikkerhetsrådets vedtak i resolusjon 1973 om åpning for bruk av alle tilgjengelige midler for å beskytte sivile er historisk. Da fikk «man» til sikkerhetsråd, satt sammen slik det er, med tre afrikanske land, stemte for og gjorde det mulig å gripe inn mot regimets overgrep i Libya. Samtidig er «man» ikke i stand til å gjøre en lang en god del av arbeidet. FN er altså som sagt på godt og vondt det verden er. Man blir ofte minnet om denne amerikanske politikeren

Så vil jeg si at mange av de ambisjonene vi har, ofte blir formulert som ideelle fordringer til FN. «Deliver as One» – levere som en – er en stor ambisjon som er

klarte å levere som en. Men da blir jo kontrasten de gangene FN ikke klarer det, større, og vi må ha fokus på det. Jeg er helt enig i at vi må ha løpende fokus på gjennomføringen av mye som kvantitet. Det har vi på de områdene vi er engasjert i. La meg bare være helt tydelig på at vi fra regjeringens side følger meget nøye med på FNs ulike underorganisasjoner, om de leverer, hvordan de leverer, og om de slik sett gjør seg fortjent til fortsatt norsk støtte. Det er ikke slik at Norge alltid er størst men per innbygger vil vi alltid rangere høyt, fordi vi har en høy utviklingshjelp. Men norsk støtte støtte er ofte synlig, fordi den blir assosiert med en grundig gjennomtenkning av hvordan vi bidrar. Derfor skal vi være strategiske i måten vi gir vår støtte fremover. Ellers merket jeg meg spørsmålet fra representanten Hansen om evaluering av Menneskerettighetsrådet. Vi har fått med oss den klare formuleringen fra komiteen. Nå hadde vi en grundig debatt på en interpellasjon om Menneskerettighetsrådet her litt tidligere i år, som ga grunnlag for både analyse og vurdering. Men vi skal selvfølgelig komme med en finne en egnet form på det som kan engasjere Stortinget til debatt. La meg til slutt si at vi har merket oss at generalsekretær Ban Ki-moon nå stiller seg tilgjengelig for en ny periode

Sikkerhetsrådet. Det har vært diskusjon om hans lederstil, deler av hans valg og deler av hans profil. Den har vi tatt til etterretning, vi har også ytret oss i den sammenheng. Slik bør det være overfor den i det internasjonale systemet. Men fra norsk side er det viktig å ha et godt forhold til FNs generalsekretær, støtte opp om en til enhver tid sittende generalsekretær. Derfor vil også Ban Ki-moon ha vår støtte og vårt engasjement som en engasjert og kritisk støttespiller for FN i årene som kommer. Det er kanskje verdt å avslutte med at vi i dag utveksler ratifikasjonsdokumentet om delelinjen med Russland. Det er et resultat av hva en FN-ledet verden har tilbudt Norge. Det er altså havretten som har gitt oss mulighet til å finne en delelinje med Russland, og vi tar i bruk de internasjonale samarbeidsredskapene som FN-systemet gir, til å få et ordnet forhold Det mener jeg kan være en god illustrasjon på denne dagen – 7. juni – at vi gjør denne akten med Russland basert på hva en FN-ledet verden tross alt

Det er grunn til å anta at flere av disse kommer til Norge kun i den hensikt å begå kriminalitet. Politiet jobber meget godt på mange områder, herunder overfor organiserte omreisende kriminelle

Det faktum at disse straffedømte ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet, gjør at komiteen mener det er rett å tilpasse lovverket og inngå

at landet den domfelte overføres til, har ratifisert sentrale og relevante menneskerettighetskonvensjoner, og at en overføring ikke vil være i strid med EU har utarbeidet en ny rammebeslutning om soningsoverføring som skal

at det ikke vil være nødvendig å forelegge avtalene med Litauen og Latvia for Stortinget. Komiteen er svært opptatt av at det må settes i verk tiltak for å møte utfordringene med økningen i antall utlendinger i norske

I proposisjonen foreslås også endringer i avgjørelsesmyndighet i saker om

For å begynne positivt, som Storberget uttalte i en tidligere debatt, er det bra at regjeringen jobber med å inngå bilaterale soningsavtaler med land som har statsborgere som er overrepresentert

og bygging av kriminelle nettverk innenfor fengselsmurene samt virke preventivt overfor andre som vurderer å komme til Norge for å begå kriminalitet. Men alt er ikke bare gull, for denne avtalen vil ikke

altså med andre ord si at det lønner seg å gjøre mest mulig kriminalitet hvis man først har gjort det mener at dette må endres, samt at det også må være mulig å kunne få kjøpe fengselsplasser i hjemlandet for dem med kortere dommer. Eventuelt må det inn i avtalen at de med kortere Danmark foregår det en diskusjon om det vil være aktuelt å kunne fakturere andre land for kostnader til fengselsopphold, hvis de enkelte landene ikke vil eller kanskje ikke kan ta imot egne kriminelle. Dette er en debatt som vi synes er interessant. håper vi at Norge som et EØS-land kan komme innunder EUs rammebeslutning som trer i kraft Videre mener vi at vi må få bort de økonomiske ytelsene som kriminelle utlendinger har mulighet til å motta mens de sitter i fengsel. Det skal ikke lønne seg å begå kriminalitet i Norge, men i er forskjellen minimal mellom det å være lovlydig i sitt eget land og det å ha et fengselsopphold i Norge, noe som innbyr til å prøve seg, fordi risikoen er så liten og konsekvensene blir så små. Norge må som nasjon i mye større grad unngå at et velferdssystem som vårt, som vi har bygget opp over tid, ikke blir undergravet av kriminelle utlendinger. I den andre delen av proposisjonen foreslås det å gi lokalt nivå

Videre er det viktig for oss å presisere at det ikke under noen omstendigheter skal være mulig å få hjemmesoning der den kriminelle har begått alvorlig kriminalitet, sånn som volds- eller seksualforbrytelser. Det Det er heller ikke riktig, etter vår mening, å innvilge hjemmesoning med elektronisk kontroll på slutten av en lengre straff, da dette kan virke som avkorting av den

etablere egne avdelinger, fengsler, for utenlandske kriminelle. Så for å være klar: Det betyr ikke at vi skal følge enkelte

Vi må også være åpne for å kjøpe fengselsplasser i utlandet, sånn at ikke land kan bruke kapasitetsproblemer som et argument – eller et indirekte moment – mot å ta

Straffenivået er en sak for seg selv. Det er jo en stor utfordring at dette nesten ikke var et tema da vi behandlet straffeloven, og at korte dommer betyr at vi sliter med å få folk ut. Det er en liten gordisk knute når det gjelder antallet soningsoverføringer vi kan få til. Jeg håper at statsråden i sitt innlegg kan si noe om hvilke mulige tiltak han ser for seg som kan øke antallet soningsoverføringer, når man ser på utmålingene av straff i Norge, om vi i det hele tatt har noen mulighet

på kriminalomsorgens område er veldig preget av skjønn. Det har vi valgt å ha fordi vi stoler på de faglige vurderingene, men det vi får tilbakemelding om på veldig mange områder, er jo at det skjer

Da er det viktig at det gjøres noe for å stoppe denne kriminaliteten. Vi ser at regjeringen og politiet nedover i systemet tar dette veldig på alvor. Denne kriminalitet er

på dem som er satt til å gjøre denne viktige og gode jobben. Da er det viktig at vi gjør alt vi kan og overfører de vi kan overføre, tilbake til sine hjemland for å sone der. Jeg er fornøyd med at komiteen gir sin fulle tilslutning til justisministerens og Justisdepartementets iherdige arbeid over lang tid. Vi og et veldig godt stykke arbeid er gjort. Mye er igjen, men der har jeg full tillit til at departementet og statsråden gjør sin jobb. Så vil jeg si noe veldig kort

Da er det viktig at vi bruker alle de mulighetene vi kan bruke og som teknologien kan gi oss, og der kommer denne hjemmesoningen med elektronisk kontroll inn. Alle sammen vet vel at det ikke er mer enn de siste fire månedene før forventet prøveløslatelse, dette kan brukes. Uansett er ikke er mer enn de siste fire månedene før forventet prøveløslatelse, dette kan brukes. Uansett er det de som kjenner den innsatte godt, de

fattes enkeltmennesker, jo bedre er det. Jeg ble litt overrasket over at Høyre, som i utgangspunktet er et parti som ønsker å delegere ansvar nedover, plutselig er imot det. Plutselig er de imot at vi skal

og vil gi ytterligere gode resultater både for menneskene det angår, familiene det angår, og ikke minst også for kriminalomsorgen, som vil få økt kapasitet,

for å få til tilsvarende avtaler med Litauen og Bulgaria også. Som flere har vært inne på, har det vært en sterk økning i antall innsatte med utenlandsk statsborgerskap i norske fengsler de siste årene. Mange av de innsatte har verken oppholdstillatelse eller tilknytning til Norge. Dette viser at slike avtaler om soningsoverføring er nødvendig. For slike avtaler vil, som flere har vært inne på, bidra til at kapasiteten i fengslene blir bedre.

I tillegg er det noen svakheter med avtalen. Som flere har vært inne på vil denne avtalen kun gjelde for fanger med soningstid lengre enn et og et halvt år. Kristelig Folkeparti skulle ønske at avtalen kunne utvides, slik at den også omfatter fanger med kortere soningstid. De aller fleste lommetyver og andre

som ikke er domfelt for mange eller alvorlige lovbrudd, slik at utdanning eller arbeid kan videreføres, og risikoen for at den unge kommer inn i en kriminell løpebane, reduseres. Problemet mitt med dette forslaget er at det fortsatt vil være mulig å overføre

rom for at dette kan bli tilfellet. Derfor vil vi, i likhet med Høyre og Fremskrittspartiet, stemme mot II. Til slutt ønsker jeg å kommentere at avgjørelsesmyndigheten i

ved å flytte avgjørelsesmyndigheten til et lavere nivå. Vurderingene i sånne saker er i stor grad basert på skjønn, og dette gir rom for ulike tolkninger ved de For Kristelig Folkeparti er det viktig at like saker blir behandlet likt, og at en får forskjellig straff ut fra forskjellige handlinger og ikke

domfelte og at Stortinget nå samtykker til inngåelse av soningsoverføringsavtalen mellom Norge og Romania av 20. september registrerer med glede at en samlet justiskomité gir bred støtte til disse forslagene. Det foreslås også å gi lokalt nivå i kriminalomsorgen myndighet til å treffe avgjørelser om straffegjennomføring med elektronisk kontroll i tråd med hovedregelen

Mange av disse personene har ikke noen tilknytning til Norge, men kommer hit i den hensikt å begå kriminelle handlinger. De aller fleste blir utvist og uttransportert til sitt hjemland når soningen er gjennomført.

Mange land har domstolsbehandling av sakene før overføring kan besluttes, noe som innebærer lang saksbehandlingstid i hjemlandet – jeg vil si svært til å nekte overføring, og vi opplever i en rekke tilfeller at dette skjer. Soningsoverføring etter disse konvensjonene tar derfor erfaringsmessig lang tid, ofte så lang tid at personene ikke rekker å overføres før dommen er ferdig sonet i Norge. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstida for soningsoverføring i 2010 var 434 dager fra rettskraftig dom til den faktiske overføringen fant sted. Så vidt jeg har brakt på det rene, har denne saksbehandlingstida gått betydelig ned så som viser at vi er på rett vei og som vel forklarer noe av den økningen vi har i antall soningsoverføringer. Det var altså tolv utenlandske innsatte som ble overført til fortsatt soning av straffen i hjemlandet i 2008. I 2009 var tallet 30, mens i 2010 var det 41 utenlandske innsatte som ble overført. Det har vi spart ganske mange soningsdøgn på og da også fått fristilt plasser. Regjeringa ønsker å øke disse tallene og overføre flere utenlandske domfelte til fortsatt soning i om overføring av domfelte § 12 gir hjemmel til å inngå bilaterale avtaler om soningsoverføring, men etter denne bestemmelsen kan Norge bare inngå slike avtaler hvis domfelte samtykker i soningsoverføringen, har rømt fra domsstaten eller er endelig utvist. Det er bakgrunnen for dagens forslag til

må samtykke til overføring. Etter denne endringen kan Norge lettere inngå bilaterale avtaler med andre land og få til med en rammebeslutning, som det er vist til i debatten, og vi jobber intenst med å få en

betydelig med langt mer kriminalitet enn det vi har her på norsk jord, og de sliter også med kapasitet i fengslene. Det er at vi har klart å koble bruk av EØS-midler opp mot de tiltakene som vi har i Romania, Latvia og Litauen, og at vi kan ha et mer intensivt samarbeid også når det gjelder justispolitikken generelt, som jeg kunne sagt mye om. Så litt

hjemme, men også å få til avtaler som gjør at saksbehandlingstida i mottakerlandet går ned. Det er jo intensjonen i avtalen. Det er derfor det i artikkel 12 at man skal behandle disse, i hovedsak, innen 90 dager, som jeg tror vil bidra til – når den blir ratifisert i Romania – at vi får

i denne saken er jo at med den lange soningstiden for å overføre til hjemlandet, og at det bare gjelder dem som har over et og det si at det vil være ganske få dette vil berøre. Det betyr at for å få fortgang i dette må Norge ta i bruk flere typer virkemidler, og statsråden var selv

Det er jo det Justisdepartementet har jobbet mye med i løpet av de siste årene, nettopp å vri midler som tidligere har gått til mange andre formål, inn mot justissektorens behov. Jeg

i Norge, men det er en god modell. Vi bidrar også til at kvaliteten blir slik at det er tilrådelig at vi Jeg mener at det er en veldig god mekanisme å bruke EØS-midler, og det skaper også god vilje i mottakerlandene for at man tar imot fanger fra Norge. Men uansett hva vi bidrar med, er det hva vi bidrar med, er det fortsatt rumenske, litauiske eller latviske myndigheter som bestemmer bruken av disse
til å berømme statsråden for å være aktiv i disse spørsmålene. Det får han kommentarer på av flere europeiske land. Jeg har lyst til å starte med det. dette med korte dommer: Det er et generelt krav i lovverket – rammeverket som regulerer dette – at det skal være mer enn seks måneder igjen av dommen. Det gjør det ekstremt vanskelig i det hele tatt å få til et stort antall soningsoverføringer, selv om det er veldig bra at man har fått økt dette tallet noe, ved at man har gjort en innsats knyttet til avbyråkratisering osv., en innsats som skal videreføres. Men hvordan ser statsråden for seg at vi kan

volumet. Vi ser at det i hvert fall er tre ting man bør gjøre for å kunne nærme seg det som er den formelle terskelen i avtalen, altså seks måneder. Det er for det første at vi inngår disse avtalene og får ratifisert dem. Disse må også ratifiseres i Romania, i Litauen og i Latvia. Det andre er at vi må sørge for at den norske saksbehandlinga går så raskt som mulig, slik at vi ikke bruker unødig tid her. Og det tredje er at vi har stor mulighet til å få mer effekt i dette

at man får økt antallet så mye. Og da er spørsmålet: Er statsråden villig til eventuelt å se på justeringer i straffenivået? Jeg vet at vi behandlet straffeloven relativt nylig, og at vi foretok en del prinsipielle avveininger der, men i den grad man ser at dette

være saksbehandlingstida som avgjør når man blir overført. Om det da har gått seks måneder, er vi like langt igjen. Så vil jeg si at et grep som jeg syns er spennende, som Kripos

jeg har vært drøftet i Kripos i tilknytning til konkrete saker. Dette tror jeg er et godt grep, for å si det sånn, men det avhenger jo av at den staten er villig til å følge opp det straffbare forholdet – og har hjemmel

Det er godt vi får til slike avtaler. Jeg håper vi klarer å få til flere avtaler, med andre land, slik at de utlendingene som blir dømt i Norge, kan sone i hjemlandet sitt. Som det har vært

Vi har fått avtale med Litauen. Det er veldig bra, for det er mange som kommer fra Litauen. Det preger norske fengsler. Men vi må også forsøke å få med Polen. Derfor reiser jeg til Polen nå i sommer, i juli. Jeg skal også ha bilateralt møte for å søke å få til noe av det samme. Arbeidet med EUs rammebeslutning går for fullt. Det kan være langt fram, men vi gjør

Neste taler er

fra Høyres side debattert saken heftig, fordi vi har vært utålmodige etter å få denne type avtaler på plass, og vi at regjeringen setter et høyt trykk på dette temaet, slik at vi får på plass flere avtaler om soningsoverføring så fort som det praktisk er mulig. Det har vært et stort fokus på antallet utenlandske domfelte i norske og det er et viktig fokus. Men for Høyre er også et annet element av debatten viktig som begrunnelse for at det haster å få gjort mer på området. Det

norske kriminelle. De lærer seg det norske språk, de får kunnskap om norske forhold, og på den måten gror de fast – hadde jeg nær sagt – i landet og viderefører kriminell Den type nettverksbygging ønsker Høyre å bryte, og det er en viktig tilleggskonsekvens og en tilleggsbegrunnelse fra Høyre for at vi er utålmodige i

Jeg gjentar Høyres begrunnelse, slik den også framgår av merknadene, dersom representanten skulle være i tvil om det: Vi er opptatt av enhetlige straffereaksjoner, og at skjønnsutøvelsen i seg selv ikke skal medføre ulike straffereaksjoner i forhold til straffegjennomføringen. Det er vår begrunnelse. Vi mener det er en god begrunnelse, og vi er for så vidt overrasket over

var at det å være hjemme istedenfor i fengsel umulig kunne være noen straff. Men etter at jeg kom god tid på å besøke forskjellige fylker og sette meg inn i denne ordningen, har jeg forandret Som alle vet, er målsettingen å forebygge at straffedømte begår nye kriminelle handlinger etter endt soning, og soningen innebærer et veldig strengt regime som må følges til punkt

I tillegg må den straffedømte være helt rusfri, og ved brudd må vedkommende inn i fengsel. Kravene til punktlighet og gjennomføring av aktivitetsplaner er faktisk så strenge og

Det som eg er einig med justisministeren i, er at den norske saksbehandlinga må gå raskast mogleg, og at ein må utvise og tvangsutsende alle dei som det er mogleg å gjere det med.

vedtatt. Forslaget til lovvedtak som vi nå behandler, Prop. 93 L, er et resultat av at spørsmålet om

at det bør skje en endring vedrørende bøtesoning og ba derfor regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som ivaretok behovet for et alternativ til

betales – dette fordi det trolig vil medføre at for en del botlagte ville incitamentet til å betale bli for svakt. Deler av kriminalomsorgen er skeptiske eller går imot forslaget, særlig fordi etaten er

På den andre siden blir det også påpekt at innsatte med økonomiske ressurser noen ganger gjennomfører subsidiær straff i stedet for å betale boten. Det stilles spørsmål ved om samfunnsstraff vil være et tilstrekkelig pressmiddel for å betale,

Fremskrittspartiet ser at det er motstridende høringsuttalelser som er framkommet. For oss er det viktig å som ikke kan betale, og som av den grunn har måttet sone ordinær fengselsstraff, og dem som av andre grunner velger fengselsstraff i stedet for å gjøre opp for seg. Vi deler noen av høringsinstansenes kritikk av det

men ser at det i det offentlige er mangel på alternative soningsplasser for samfunnsstraff, noe også

men jeg har tro på at det faktisk kan være mer forebyggende for enkelte å kunne gjøre opp for jeg! Fremskrittspartiet er også enig i at vi må få en bedre oversikt over effekten av det arbeidet kriminalomsorgen utfører, og vi støtter derfor Høyre i at vi trenger en evaluering.

anledninger har justiskomiteen tidligere uttalt at man støtter at lukkede fengselsplasser ikke bør brukes til

politiet leverer gode resultater. Det gjør at situasjonen i kriminalomsorgen er presset, og belegget er høyt. Det er derfor bra at vi nå kan frigjøre fengselskapasitet ved at det innføres en alternativ straffereaksjon som kan gjennomføres utenfor fengselsmurene. Hvis noen får en bot, kan man strengt tatt ikke velge om man vil betale eller ikke. Så lenge den botlagte har penger, skal den betales frivillig eller kreves inn med tvang. Mange av dem som i dag sitter inne på penger til å betale boten. Noen ser seg tvunget til å begå ny kriminalitet for å betale boten, mens andre kan få familie eller venner til å betale den. Man kan jo spørre seg hvor meningsfylt det er å bruke bøtesoning som et for at mennesker skal betale en bot med penger de ikke har. Dagens ordning bærer på mange måter preg av å være et gjeldsfengsel som bidrar til sosial diskriminering. Mange av dem det er snakk om, er tunge rusmisbrukere. De blir tatt for kriminalitet som i utgangspunktet ikke kvalifiserer til fengselsstraff, men så er det nettopp i fengsel veldig mange av Arbeiderpartiet mener derfor lovforslaget vil være positivt ikke bare fordi det frigjør fengselsplasser, men også av hensyn til den enkelte. Vi unngår en situasjon hvor og også av hensyn til rehabilitering er bøtetjeneste et bedre alternativ enn i fengsel. Bøtesoning gjør ikke mennesker i stand til bedre å takle livet, kanskje er det heller det motsatte; man går ut av fengselet enda fattigere enn da man Når bøtetjeneste innføres som et alternativ til fengsel, vil den botlagte kunne fortsette med sitt daglige liv, f.eks. med skolegang eller yrkesaktivitet. Færre botlagte vil måtte oppta lån eller ved kriminelle handlinger. Jeg tror at dette i sum vil kunne ha en positiv samfunnsøkonomisk effekt. har bedre og mer egnede metoder for å reagere overfor dem som har trøbbel med å betale bøtene sine, enn å innkalle til soning. Arbeiderpartiet er glad for at vi nå tar disse i bruk. Kriminalomsorgen skal nå forberede hvordan bøtetjenesten skal organiseres og gjennomføres på det praktiske I likhet med saksordføreren mener også jeg at det er kommet inn veldig mange gode høringsuttalelser, og jeg vil mene at det er et godt utgangspunkt når kriminalomsorgen nå skal sette dette ut i det

til økt bruk av samfunnstjeneste. Hensikten er, som det framgår av saken, også knyttet til at regjeringen ønsker å øke bruken av For Høyre dreier dette seg også om at det skal være en proporsjonalitet mellom lovbrudd og straffereaksjon, og at lovforslaget åpner opp for

I tillegg – slik også foregående taler redegjorde for – vil dette frigi soningsplasser, soningsplasser det er et stort behov for. Vi ser heller ikke bort fra at av dette forslaget. Men for Høyre er

har i disse tilfellene. Både komiteen og de ulike partifraksjonene har vært på besøk i norske

at mange av disse bøtesonerne er slitne rusmisbrukere. Riksadvokaten er også veldig tydelig på akkurat dette i sin uttalelse til saken, at dersom disse som sliter med rus, og mange også med psykiske problemer, skal ut i samfunnstjeneste, må den tjenesten være tilpasset

utover det rent strafferettslige, får en imøtekommelse av de behovene i rimelig tid og på en god måte. av forslag nr. 1, som Høyre er med på, at vi også ønsker å ha et fokus på og effekten av det. Hvordan kan vi at vi har best mulig kunnskap om de gode tiltakene som hindrer tilbakefall til ny Rett og slett: Vi ønsker mer kunnskap om hva som virker av rehabiliterende tiltak innen og vi peker også spesielt på lederkompetanse som eget fagfelt i kriminalomsorgen. Vi ønsker mer kunnskap og mer forskningsinnsats også på det jeg håper statsråden merker seg det, slik at forskningsinnsatsen kan forsterkes og målrettes når det gjelder disse punktene. Selv om vi kanskje ikke ser at regjeringspartiene støtter det forslaget, håper vi i alle fall at intensjonen med forslaget blir bemerket og tas med videre.

Jeg skjønner at regjeringen med dette forslaget ønsker å avskaffe dagens ordning, som de mener har preg av gjeldsfengsel og bidrar til sosial diskriminering. Men jeg er redd forslaget ikke tar høyde for at mange av dem som ikke klarer å betale bøtene, er rusavhengige, som uansett ikke vil være egnet for samfunnsstraff, da avtjening av samfunnsstraff krever at man må være rusfri. Det er også viktig å presisere at det store flertallet av dem som soner bøter, er vanlige folk som vil oppleve soning av fengselsstraff som et kraftig stigma. For denne vil nok det å betale en bot være mer fristende enn å sone en fengselsstraff. Dersom alternativet til å betale boten kan det være at flere ser det som aktuelt heller å benytte seg av den muligheten, da de aller fleste vil se på samfunnsstraff som en mye mildere straff enn fengsel. Kristelig Folkeparti deler mindretallets syn, at det er problematisk at kriminalomsorgen preges av lukkethet, og at det er liten mulighet til å etterspørre dokumentasjon om effekten av endringsarbeidet som gjøres. Derfor mener også Kristelig Folkeparti at det er viktig med en økt forskningsinnsats innen kriminalomsorgen, og det er nødvendig at Riksrevisjonen i større grad enn i dag foretar en total gjennomgang av de midlene som kriminalomsorgen disponerer. Kristelig Folkeparti deler at det framlagte lovforslaget kan bidra til en enda mer krevende situasjon for kriminalomsorgen, både ressursmessig og faglig. Kristelig Folkeparti støtter dermed Høyre og Fremskrittspartiets forslag om at regjeringen må

Dette er en viktig dag, for vi vedtar på mange måter et alternativ til mye av det som møter dem som ikke klarer å betale sine bøter. For regjeringen har det vært maktpåliggende i det arbeidet vi har gjort med kriminalomsorgen, at vi klarer å tenke Nå kan noen kanskje si at det ikke er så mange det dreier seg om, men det er faktisk slik at vi i løpet av denne debatten, og den foregående, og dette vedtaket,

her har vi store muligheter for å ta noen grep for holdt et veldig godt innlegg og redegjorde godt for saken. Det er kommet innspill i høringsprosessen, som også saksordføreren var inne på, som jeg synes det er verdt til når det gjelder iverksettelsen av det og utarbeidelsen av nærmere retningslinjer, og hvordan dette skal igangsettes. Det er særlig to forhold jeg har lyst til å nevne, som jeg synes er interessante, og som også saksordføreren var muligheten for at man i større grad enn det som kanskje lovforslaget bærer preg av, kan tenke «restorative justice» når man skal gjennomføre bøtesoningen. Det er et innspill som jeg synes vi skal ta med oss, fordi det kan hende vi snakker litt forbi hverandre når det gjelder at det er private som skal gjennomføre samfunnsstraffen, slik det står i forslaget. Men det er sånn at hvis man i en og en samfunnstjeneste kan bidra til å gjenopprette skade, har vi fått en dobbel effekt av det. Så jeg vil gjerne be om at man vurderer å gjøre det om til et oversendelsesforslag, for jeg synes det er en tanke som man skal forsterke i innføringen av

er det, etter mine begreper, en god tjeneste. Da beveger vi oss over til en straffereaksjon som ikke bare er en smell – at man får en pine – men at man faktisk også bidrar til å gjøre situasjonen lettere for dem som er rammet av kriminaliteten. Så jeg mener at det bør vi lytte til, og jeg tror at kriminalomsorgen er parat til å se på det, og at det faktisk også gjøres i en viss utstrekning også ved gjennomføring av tradisjonell samfunnstjeneste i dag. Det andre forholdet er Høyres forslag om økt forskningsinnsats på dette. Her er vi heller ikke uenige. Så jeg vil be Høyre om å vurdere å gjøre om det forslaget også, særlig når man hører det har forskning som går på samfunnsstraff, og har hatt forskning som går på samfunnsstraff, både nasjonalt og nordisk, og

at vi måler hvordan vi lykkes med det. Jeg vet at Statistisk sentralbyrå er i ferd med å gjøre en undersøkelse på oppdrag fra oss vedrørende dette, men vi jobber med en forskningsstrategi som jeg synes bør ha som et veldig sentralt moment at man mot dette rettet inn mot effektmåling av de nye reaksjonene. Det bør være førsteprioritet når det gjelder vår forskningsinnsats, fordi det er her vi har gjort betydelig politisk endring, i stor grad samstemmig, her i huset. Det er jeg svært villig til å se på, i stor grad samstemmig, her i huset. Det er jeg svært villig til å se på, særlig i forbindelse med den forskningsstrategien. Så min sterke anmodning er at man oversender det forslaget.

dette kanskje er et område som flere departement egentlig er at man er flink til å se litt utover, ikke bare eget departement, fordi dette berører mange andre områder. Sånn sett, ved å løfte i flokk, vil man kunne få et godt resultat.

Komiteen støtter departementets vurdering om at det er ønskelig å opprettholde stor grad av parallellitet mellom allmennaksjeloven og så fremt ikke ulike hensyn gjør seg gjeldende for de to selskapsformene. Det foreslås derfor også enkelte endringer i aksjeloven som korresponderer med forslagene til endringer i allmennaksjeloven. komiteen slutter seg til forslaget om at fusjonsrapport i aksjeselskaper alltid skal redegjøre for fusjonens betydning for de ansatte. Imidlertid gjennomføres det en del fusjoner der selskapene ikke har en samlet komité til at noe av formålet med direktivet er å redusere de administrative byrdene og kostnadene, og mener at det da er overflødig med

13 er
Komiteen legger med dette fram en enstemmig innstilling. Komiteen har merket seg at ingen av høringsinstansene har ytret seg negativt til at direktivet gjennomføres

bedrifter i Noreg. Så er eg veldig glad for at det er tverrpolitisk einigheit om forståinga av § 13-9 i aksjelova, nemleg at eit selskap som ikkje har tilsette, ikkje må lage

Dette har heller aldri vore meininga frå regjeringa si side, men eg finn likevel grunn til å klargjere dette, slik med at dette var litt uklart i starten av behandlinga av denne proposisjonen. Denne Denne presiseringa er derfor i tråd med innspel som komiteen har fått frå Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. Selskap som har tilsette, skal

brutalt. Det er derfor tverrpolitisk enighet om å styrke barns rettssikkerhet og tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn. vi har til behandling i dag, er oppfølging av et vedtak gjort i Stortinget 4. mars i fjor. Man har fremmet to representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse når barn dør. Jeg tror jeg kan si at det var tverrpolitisk enighet og alle partier

valgte å tolke det, grenser for en obligatorisk ordning.

Storbritannia eller Tyskland har obligatorisk dødsstedsundersøkelse uten at det foreligger mistanke om en kriminell handling. Når Grunnloven satte grenser for en obligatorisk ordning, ba en samlet justiskomité regjeringen om

mente komiteen, skulle være uavhengig av mistanke, og vi synes at det også er bra at forslaget som nå er fremmet, gjelder alle barn under 18 år og ikke bare Forslaget fra regjeringen har vært på høring, og det har fått massiv støtte fra høringsinstansene. forslaget. Komiteen mener at det er et godt tiltak for å avdekke dødsfall som følge av straffbare forhold. Komiteen mener at etterforskningsplikten vil bidra til å styrke rettssikkerheten Erfaringene fra Barnedødsårsaksprosjektet, som gikk fra 2001 til 2004, som tilbød frivillige dødsstedsundersøkelser, viste at de aller fleste takket ja til tilbudet. Erfaringene var positive, for trygghet og sikkerhet for hva som hadde skjedd, og nettopp det var viktig i sorgprosessen. Forslaget om etterforskningsplikt uten krav til mistanke vil også føre til at pårørende slipper

Som kjent har rettighetene for ofre for vold i nære relasjoner blitt utvidet og forsterket under denne regjeringen, men med dommen fra Høyesterett vil disse rettighetene ikke omfatte tidligere

i proposisjonen vil ordlyden i loven nå være i samsvar med det som opprinnelig var lovgivers intensjon, nemlig at også tidligere samboere omfattes av

er tverrpolitisk enighet – det har det alltid vært – om at det er svært viktig at overgrep og vold mot barn blir avslørt,

plutselig og uventet død. Men vi registrerer at regjeringen har gjort jobben sin ved å undersøke hvilken praksis som legges til grunn i andre land.

at den etterforskningsplikten som det legges opp til nå, som er helt ny, vil gi en ny praksis – det gjelder jo alle under 18 år – som forhåpentligvis

tidligere har ønsket og uttrykt. Noen stiller nok fortsatt spørsmål ved hvorvidt denne etterforskningsplikten vil gi de resultatene som man har ønsket seg. Jeg håper at statsråden i sitt innlegg vil slå fast at denne nye

i alle tilfeller der barn dør plutselig og uventet. Regelen skal suppleres av en forutsetning i påtaleinstruksen som fastsetter en plikt for politiet til å Akkurat den teksten og akkurat den påpekningen er det som gjør meg trygg på at man også gjennom etterforskningsplikten vil oppnå

Dette er en viktig sak som har kommet til gjennom en blanding av felles partidugnad, press og medieoppmerksomhet. Jeg har lyst til å starte med å berømme de to journalistene i TV 2 som i år fikk

som sammen med dem har skapt det nødvendige politiske momentum som har gjort at vi har kommet dit vi er i dag – for det har vært en ganske lang

etter høring i komiteen, fant man ut at man skulle utrede situasjonen i Storbritannia. Det var litt spesielt å se at man Storbritannia. Det var litt spesielt å se at man måtte ha flere Dokument 8-forslag før man til slutt kom frem til dette, men jeg skal la det ligge. Vi mener fortsatt prinsipielt at obligatorisk dødsstedsundersøkelse ville vært å foretrekke. registrerer at man gjennom lang tid har lagt veldig stor vekt på, naturlig nok, Lovavdelingens uttalelse, men jeg synes også man kanskje i større grad skulle stole litt mer på denne salens evne til å tolke Grunnloven, som et vektigere moment

noen ganger sette seg grundigere inn i grunnlovsspørsmål og foreta selvstendige vurderinger. Men jeg skal la det ligge. Det hører hjemme i en helt annen debatt. Vi har i hvert fall kommet et godt stykke på vei med dette lovforslaget i med dette lovforslaget i dag. Samtidig har jeg på vegne av Høyre lyst til å advare mot troen på at denne loven i seg selv løser noe som helst. For å få gjennomført mer etterforskning, påtale og flere domfellelser det om kompetanse og ressurser i politiet. Det handler også om vilje i politiet, og det handler om ork, for i denne type saker, som langt fra er i politiet, er det ganske mange forutsetninger som må på plass for at vi skal få flere tiltaler og flere domfellelser – ikke minst i domstolene, hvor vi vet fra før at man

i hele justissektoren i forhold til det. Da har jeg lyst til å utfordre statsråden på noe som jeg vet han er opptatt av i likhet med opposisjonen. Det er spørsmålet om forskning på dette feltet, for det å kunne dokumentere hvor lite eller hvor mye vold et barn er blitt utsatt for, er ikke kompetanse som politiet har i kraft av seg selv. Det er en kompetanse og en kunnskap som det offentlige dessverre til dels har sviktet med å fremskaffe, ved at det er private aktører som må forske og stille egne midler til disposisjon for å sørge for at det offentlige får den kunnskapen, slik at vi kan få flere

Neste taler er
SV er fornøyd med at regjeringen har fremmet forslag som gir politiet og påtalemyndighetene plikt til når et barn dør plutselig og uventet, uten hensyn til om det foreligger mistanke om straffbare forhold. Barn er kanskje det mest sårbare i et samfunn. Vi vet at også barn blir utsatt for vold, men vi vet ikke oppstå usikkerhet om årsaken til døden hvis og når et barn dør plutselig og uventet. Det kan være tungt og krevende for kontakt med politiet uten sikre holdepunkter for at noe straffbart har skjedd, selv om man sitter med vil det kunne være en belastning for sørgende foreldre å få politibesøk der intet straffbart har skjedd. Ved at politiet nå gis en plikt til å den andre siden fjernes stigma fra familier hvor intet straffbart har skjedd, men barnet har dødd plutselig alle saker hvor et barn under 18 år dør plutselig og uventet. Dette kommer i tillegg til at regjeringen har forpliktet

relasjoner slik at det også omfatter vold mot tidligere samboere. Høyesteretts dom fra 31. mars i år kom til at tidligere samboere ikke var Alle bør ha krav på det samme vernet mot vold i nære relasjoner uavhengig av tidligere Når det begås vold i nære relasjoner, er distinksjonen mellom tidligere ektefelle eller tidligere samboer lite relevant. Overgrepet er like alvorlig. Jeg er også glad for at

et viktig skritt videre. Når en ikke kan skrive merknader, må en kunne komme med noe kritikk i saken, og også jeg vil bemerke at selv om dette er veldig bra, kunne det vært gjort før. Det å miste sitt barn er noe av det verste en kan oppleve som foreldre. Da er det viktig at samfunnet stiller opp og er til stede for foreldrene, og også for andre pårørende. Det å stille opp betyr å komme med nødvendig kompetanse og hjelp, men det betyr også å prøve å svare på noen av de spørsmålene som blir stilt, enten det er fra foreldre som er usikre på hva som eller det er fra andre rundt som er bekymret for om det kan ha skjedd noe alvorlig. Det å kunne avdekke det hvis det har skjedd noe alvorlig, vil

budskapet om at obligatorisk dødsstedsundersøkelse ville vært det beste, og sånn sett skulle jeg gjerne ønske at en kunne utfordret Lovavdelingen mer med hensyn til om det er brudd på Grunnloven. Dette er som sagt et godt steg på veien, men jeg tror at en kunne fått til mer. Derfor håper jeg jo at departementet og statsråden fortsetter arbeidet med en obligatorisk

og det er ikke like lett for nærmiljøet rundt familien eller det offentlige apparatet å avdekke voldsbruken. Det er jo en av hovedutfordringene vi har når det i nære relasjoner. I de tragiske tilfellene der volden fører til død, er det spesielt viktig at politiet setter i gang etterforskning så tidlig som mulig. I proposisjonen foreslås det å innføre en i alle tilfeller der barn under 18 år dør plutselig og uventet. Det er å gå langt. Unntak skal bare gjelde der det er

man gjennom en slik ordning vil avdekke – og, som flere har vært inne på, avverge – flere tilfeller av vold mot barn, og på den måten Jeg er glad for at Stortinget støtter denne viktige lovendringen, og jeg vil sørge for at den følges opp med de nødvendige endringer i Jeg vil også sørge for at departementet følger nøye med på – som flere har vært inne på – om reglene om taushetsplikt står i veien for at etterforskningsplikten slik komiteen også ber om. I proposisjonen foreslås også en tilføyelse i straffelovens bestemmelse om vold i nære relasjoner. Denne gjør det klart at tidligere og nåværende samboere nyter vern på lik linje med

at det har vært en bred debatt rundt dette. Det tror jeg er sunt. Det er, som representanten Ropstad var inne på, flere hensyn å ta i disse sakene. Og det er helt avgjørende at den etterforskningsplikten som politiet får, utøves på en nennsom måte. Vi må være forberedt at vi også kan få reaksjoner fra foreldre som mener at man er satt under etterforskning i en veldig vanskelig fase i livet. Det må vi være forberedt på. Det er når man åpner en etterforskningssak – det ligger liksom et teppe av mistanke over det hele.

utfordringen i dette blir at vi ikke påfører foreldrene større byrder enn det de har, i de tilfellene der det ikke har skjedd noe

for å kunne bringe andre typer etterforskningsskritt på

Så det at man går inn i saken på denne måten, vil kunne bidra til raskere å få tatt nødvendige skritt. jeg er optimist, særlig opp mot det arbeidet som gjøres fra Helsedepartementet når det gjelder dødsstedsundersøkelsene. Det er også i debatten blitt reist spørsmål rundt Lovavdelingens uttalelse. Jeg tilhører dem som er veldig glad i Lovavdelingen, og mener at der skrives det mye god jus. Jeg er nok ikke så tilhenger av å presse mer – som det nærmest blir sagt – overfor Lovavdelingen for å få et annet standpunkt. Da er vel egentlig løsningen for Da er vel egentlig løsningen for dem som er satt til å

Nå er vi i Høyre veldig glad i private initiativ som gjør en del av det det offentlige kanskje ikke greier selv. Men når det gjelder det å sørge for at man har kunnskap nok for å få tiltalt og domfelt flere, er kunnskap om hva vold gjør mot barn, viktig. Og da har lengre tid etterlyst større offentlig engasjement. Noe har kommet, men ikke nok. Føler statsråden seg bekvem med at det stort sett er private aktører som har sørget for direkte premiss for at denne loven skal kunne bli gjennomført, når det gjelder å få flere tiltaler og

når det gjelder juridisk kompetanse. Når det gjelder spørsmålet om forskning, har jo det, som representanten også er klar over og var inne på, vært et av de viktige tiltakene i Men det er også slik at mye av de premissene som ligger i den forskningen som faktisk utøves, foretas av private – ikke nødvendigvis av helkommersielle, men den foretas av ofte selvstendige på dette området. Jeg har ikke nødvendigvis noen egen skepsis rettet inn mot disse. Jeg mener at det er godt grunnlag. Det som blir departementet og regjeringens ansvar, er å få bestilt mer forskning og forskning. Det gjelder jo alt fra partnerdrapene, hvor vi har slitt med taushetspliktsbestemmelser, til omfangsundersøkelser når det gjelder vold i nære relasjoner, som jo Justisdepartementet har jobbet ut.

Jeg vet jo at statsråden er en løsningsorientert mann. Spørsmålet dreide seg om: Er ikke statsråden litt lite bekvem med at det offentlige ikke har tatt det ansvaret det offentlige bør ta for kunnskapsinnhenting? For det er jo slik at nærmest har vært alene i forhold til en del av kunnskapsinnhentingen, med «Baby Justicia» og det, som vi mener det offentlige faktisk bør ta ansvar for. Det har jo vært en direkte grunn til at man kanskje har hatt lavere straffer for vold og drap mot barn enn man har hatt vold og drap mot barn enn man har hatt mot voksne, at det offentlige ikke har sørget for å få kunnskap nok. Det var det spørsmålet dreide seg om. Det må i hvert fall være slik at det ikke bare skal være eksterne krefter som initierer kunnskapsinnhenting. Det er

Samtidig syns jeg når det gjelder vold i nære relasjoner, vold mot barn og det som skjer mellom partnere, at det faktisk er igangsatt mye initiert fra regjeringa som jeg tror blir veldig nyttig for oss. Så hvis jeg skal peke på ett felt hvor man virkelig har blitt mer intens i forhold til forskning, syns jeg faktisk det er dette.

og komiteen i fellesskap har presset på for å få dette på stell – for å si det

helt åpenbart. Jeg akter ikke å stå her og si at det er vi ferdig med – vi har investert ferdig. Vi har masse igjen på dette feltet. Samtidig håper jeg – og det har jo et samlet storting også vært enige om når vi har

tilbake til samfunnet før eller siden. Spørsmålet blir da hvordan dette bør gjøres for å sette domfelte i stand til å komme tilbake til et liv uten videre som sa til meg at «politikerne må våkne. Dere kan ikke sette oss ut på gata rett fra

Å gjøre noe med dette er avgjørende for at innsatte skal kunne delta normalt i samfunnet etter løslatelse. Derfor har den rød-grønne regjeringen fokus på innholdet i soningen og oppfølgingen i Alle fengsler har nå tilbud om utdanning og arbeidstrening. Livet under soning skal forberede den innsatte på livet utenfor murene. Derfor skal de trene på å ta ansvar og å klare seg selv. Dette innebærer også en gradvis tilbakeføring til

fare for samfunnet. Dette er en viktig betingelse. Både retten og kriminalomsorgen kan sette omfattende vilkår for prøveløslatelsen. Enkelte forvaringsdømte vil kunne ha behov for forsterket opplegg, og vilkår for prøveløslatelsen. Enkelte forvaringsdømte vil kunne ha behov for forsterket opplegg, og det kan omfatte opphold i bolig med heldøgnsbemanning og at det er et vilkår for prøveløslatelse til institusjon eller kommunal boenhet at kommunen samtykker til med og informasjon til lokalbefolkningen før slike boenheter opprettes,

Det er tverrpolitisk enighet om at vi ønsker å bidra til at folk både skal føle seg trygge og være trygge. Så er det slik at trygghetsfølelsen er en subjektiv følelse, som mange ganger kan være vanskelig å definere. Det noen opplever som trygghet, kan for andre oppleves som utrygghet. Eksempelvis vil noen føle trygghet med bevæpnet

fordi de underhånden har fått greie på at en bolig i området skal huse forvaringsdømte som er innvilget prøveløslatelse. Et viktig virkemiddel for å bygge oppunder folks

og utrygghet. Arbeiderpartiet mener, sammen med en enstemmig komité, at det er viktig at lokalmiljø informeres i god tid før det etableres for prøveløslatte fra forvaring. Informasjon om sikkerhetstiltak og daglige rutiner vil gi svar på mange spørsmål, som forhåpentligvis vil medføre

om at straffedømte etter endt soning skal tilbakeføres til samfunnet. Vi har etter hvert fått flere soningsformer som har som mål å bidra til denne tilbakeføringen. Regjeringen fortjener ros for både å bygge ut fengselskapasiteten med stort fokus på

hvor det satses mye på både innhold i soningen, endringsarbeid og sikkerhetsvurderinger. Vilkårene for å få innvilget prøveløslatelse er veldig strenge og vurderes av flere

og en forsterket bolig som tar imot prøveløslatte forvaringsdømte. Jeg registrerer at forslagsstillerne ikke vil at forvaringsdømte skal bo i

lokalmiljøer. Vi har i det siste sett flere eksempler på, bl.a. saken på Borgen i Ullensaker, politikk med utfasing av

Det er full enighet i Stortinget om at når noen er ferdig med å sone sin straff, skal de få begynne livet på nytt det går en grense mellom at en forvaringsdømt skal bosette seg med sin familie i et boligområde – det er ikke det vi kritiserer – og at man oppretter institusjoner i nabolag uten at naboene, velforeninger, kommunen eller andre er blitt varslet om at dette tiltaket

institusjon. Her er kriminalomsorgen og statsråden nødt til å ta selvkritikk på at man ikke har hatt en mer tydelig informasjon til

Det er åpenbart at informasjon om tiltaket på et tidlig tidspunkt vil være med på å avhjelpe noen av de utfordringene som vi har sett i disse sakene. Men uansett er det jo et i disse sakene. Men uansett er det jo et spørsmål om hvordan man best kan føre forvaringsdømte tilbake at Fremskrittspartiet hevder at vi mener at disse skal gå rett fra fengsel og ut i samfunnet. Da vil jeg gjøre representanten oppmerksom på forslag foreslår at det opprettes en overgangsbolig i tilknytning til Ila fengsel og forvaringsanstalt, hvor man bygger opp en hjelpe disse personene til å leve et nytt og bedre liv. Nettopp det å samle rundt et lite antall personer, som det her egentlig er snakk om, det å bygge opp kompetanse rundt en slik bolig, tror jeg vil være mye bedre enn det som praktiseres i dag.

Tilbakeføring av personer med de aller strengeste straffene vi kan gi i Norge, er krevende. Det forstår vi alle ivareta både den prøveløslattes mulighet til å fungere uten å gjøre nye lovbrudd, og det skal selvfølgelig også for trygghet og sikkerhet. Høyre gir honnør til forslagsstillerne for å ta opp dette temaet, selv om Høyre ikke støtter

både skaper forståelse og demper mulige konflikter i disse tilfellene. Mange av oss som også har erfaring fra kommunepolitikken, har vært borte i tilsvarende problemstillinger knyttet til f.eks. etablering av rusboliger og psykatriboliger, hvor hele nabolag reiser seg i men hvor man etter omfattende og gode prosesser lokalt likevel klarer å få til gode løsninger som Så det er ut fra hensynet til å finne fleksible lokale løsninger at Høyre ikke støtter forslagene, selv om temaet er prosesser ivaretar vi også muligheten for god tilbakeføring av den straffedømte. Vi har derfor sammen med Fremskrittspartiet fremmet et forslag, forslag nr. 1, som går ut på at Stortinget ber om å bli informert

forvaringsdømte. Det forslaget er tatt opp. Jeg vil be om at forslaget – altså forslag nr. 1 – blir omgjort til et oversendelsesforslag.

som skal tilbake til samfunnet, med eller utan særskilte vilkår, har nytte av å flytte tilbake til heimkommunen og nærmiljøet.

truverdig og godt i den grad kriminalomsorga meiner det er grunn til omfattande tiltak og sikring.

Jeg vil innledningsvis understreke at prøveløslatelse fra forvaring alltid skal skje under sikkerhetsmessig forsvarlige forhold, og at samfunnets sikkerhet er det overordnede målet. Kriminalomsorgens overgangsboliger er fengselsinstitusjoner som er særskilt tilrettelagt for domfelte som er i sluttfasen av fengselsoppholdet. De domfelte får gjennom nettverksarbeid, sosial trening og rehabilitering kontakt med omverdenen som ledd i overgangen til

og kriminalomsorgen er avhengig av at det anvises institusjonsplass, eventuelt egnet bolig. I utgangspunktet er det ikke kriminalomsorgen som velger hvor forvaringsdømte skal bo, men det understrekes likevel at kriminalomsorgen kan avslå et anvist tilbud hvis det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig. Straffeloven åpner adgang for at domstolen, når særlige grunner foreligger, kan sette som vilkår for prøveløslatelse at forvaringsdømte tar opphold i institusjon eller med et omfattende offentlig tjenestetilbud, samtidig som han hindres i fritt å forlate boligen og bryte eventuelle øvrige vilkår. I så måte er det et paradoks i debatten at det som problematiseres her, er de institusjonene hvor man faktisk har låst dørene, mens man senere i progresjonen kommer til hus hvor man

som ikke vil kunne oppnå et liv utenfor kriminalomsorgens anstalter uten et slikt omfattende

som nevnt en forutsetning for å kunne etablere et prøveløslatelsesopplegg at den aktuelle kommunen samtykker, og at det anvises en aktuell institusjon/bolig. En liknende ordning er etablert for utilregnelige psykisk

Jeg understreker at alle domfelte, også de forvaringsdømte, skal tilbakeføres til samfunnet etter endt straffegjennomføring. Jeg mener at hensynet til sikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt gjennom de omfattende kontrolltiltak og den tette oppfølging som ordningen For mange domfelte vil det være hensiktsmessig å ta opphold på hjemstedet etter løslatelse. Erfaring viser at kontakt med familie, venner og nærmiljø er av vesentlig betydning for den domfeltes evne til å Denne gruppen domfelte vil dessuten ofte ha behov for et omfattende offentlig tjenestetilbud, også etter Også av denne grunn er det hensiktsmessig at de tar opphold i sin hjemkommune. Det ble i 2006 oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle foreta etterkontroll av de nye rapport 30. april 2008, og rapporten følges nå opp av Justis- og politidepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, og vil gi oss rik anledning til å drøfte disse problemstillingene også

tid. Derfor lurer jeg på om statsråden vil ta selvkritikk på vegne av kriminalomsorgen for den praksis som er blitt ført. Jeg mener at kriminalomsorgen drevet godt informasjonsarbeid rundt mange av de etableringene vi har hatt i løpet av de siste årene. Det har vært etablert lukkede fengsler, åpne fengsler, overgangsboliger og andre institusjoner som skal ivareta

snakker om. Derfor er det alltid en jobb å gjøre for kriminalomsorgen og oss i Justisdepartementet for å bli enda bedre på dette, særlig fordi – jeg påpekte jo paradokset i dette – det ofte er verre å etablere ordninger som faktisk har bedre sikkerhet enn alternativene. Det viser jo til fulle at det er behov for informasjon for å forklare hva dette dreier seg om, slik at man kan skape størst trygghet for det man faktisk etablerer. Så har vi også erfaring for at selv med massiv informasjon er det ikke mulig å få etablert det man ønsker. Men i hovedsak må informasjonen være god nok. Informasjon,

side når det gjelder å informere beboere og skape trygghet. Alle partier her er enige om at vi skal ha en utslusing i samfunnet som skal Men spørsmålet er om det er deler av kriminalomsorgen som nærmest oppfatter det som en blankofullmakt til å kjøre på uten å ta innbyggernes

Jeg tror ikke kriminalomsorgen oppfatter det slik – jeg gjør det i alle fall ikke – at man har noen blankofullmakt til å plassere folk på steder ute. Jeg kan bare si at måten jeg som statsråd kan dette på, er igjen å ta det opp i departementet og med dem som nettopp driver med etablering, og sikre at informasjonen skjer. Men så er det sånn at vi har erfaring fra Kristiansand, bl.a., med overgangsboligetablering. Jeg er ikke sikker på om det

komiteen. Her er det langt flere forhold som må tas inn før man kan slå dette så kategorisk fast. Er statsråden enig i at dette kan

sånn at den ikke blir spredd, nettopp for å gi disse personene som jeg i alle fall mener aldri bør ut, å ha

en mulighet til å fungere innenfor disse rammene, som jeg

jo nettopp en veldig positiv etablering, et fantastisk nærmiljø og mennesker som virkelig har gjort en jobb for å skape god

er slik at man ikke ønsker denne type boliger som vi diskuterer her til prøveløslatte? Jeg er enig med Fremskrittspartiet i

de er grundig vurdert opp og ned av fagfolk, og det er funnet risikofritt. Før det kan vi ikke gjøre noe. Dermed ligger det i sakens natur at fagkompetansen sier at vedkommende kan overføres til en overføringsbolig eller løslates, så er det Da må vi faktisk begynne med å være enige med oss selv om hva vi egentlig vil. Det andre er at det er ingen tvil om at lokaldemokratiet er bærebjelken i vårt samfunn, også i denne saken. Det er ingen tvil om at alle partier ønsker at lokalmiljøene skal tas med i denne type beslutninger, fordi vi har respekt for lokalmiljøene og lokaldemokratiet, men også fordi hvis dette skal lykkes, må det jo være medspillere og ikke motspillere. Da er det litt interessant at Fremskrittspartiet gang på gang prøver å framstille det som om det kun er er enig i dette prinsippet, og at alle andre er motstandere av det. Dette er et ganske billig poeng, og det bør Fremskrittspartiet holde seg litt for god for, tror jeg. Så har min

og da trenger vi å være konstruktive i Stortinget for å finne gode løsninger for dem som sitter inne og som en dag skal ut, og lokalmiljøene

sa at vi i Norge har en form for livstidsstraff. Forvaringsinstituttet innebærer nettopp at når det gjelder de som sitter på de lengste forvaringsstraffene, vil nok mange av aldri slippe ut igjen. Derfor blir det positivt feil at man sier at vi ikke har livstidsstraff i Norge når vi tar høyde for innebærer.

folks nærmiljø som det justiskomiteen og Stortinget nå tydelig er, med den klare merknaden om at man understreker hvor viktig det er at lokalsamfunnene involveres på et tidlig tidspunkt, dersom slike boliger skal etableres. Da annen prosess på dette lokalt enn det man har hatt hittil, hvor dette er kommet som et slags troll i eske uten at noen i det hele tatt er blitt Det statsråden nå må ta med seg tilbake til Justisdepartementet etter denne debatten, er at det er informasjon. Og som statsråden også selv påpekte, man kan aldri gi nok informasjon og få nok involvering i slike saker. Det har vi sett i en rekke saker, viser bare at kriminalomsorgen må bli mye bedre på dette området for å unngå

det har vært færre saker. Det skyldes at de sakene som har vært behandlet, har vært litt Vi registrerer også at antall nye søknader er på vei ned. Men det er ikke grunnlag for å tro at vi er i ferd med å fase ut

så langt tilbake som i 2008. Så man kan kanskje tro at man er i ferd med å fase ut og at man får færre søknader etter eksistensgrunnlaget for disse utvalgene vil nok være der i lang tid framover. Fremskrittspartiet gjør også oppmerksom på

har gått vesentlig tilbake med bakgrunn i dette vedtaket, fordi disse mente at vedtaket var en klar utstøting og en sterk diskriminering av akkurat bare fikk 20 000 kr i rettferdsvederlag. Det er også framsatt påstander om at krigsbarna i stor grad har hatt så store problemer at de kanskje ikke har fått

Derfor mener Fremskrittspartiet at man kanskje kunne tatt en ny runde, lage ny søknadsfrist og ta sakene vedrørende erstatning til krigsbarna opp

til rettferdsvederlag på grunnlag av mobbing. Mobbing er i utgangspunktet ikkje omfatta av

At krigsbarn og samar i enkelte tilfelle har fått innvilga ulike rettferdsvederlag, kjem av at grunnlaget for rettferdsvederlag er forskjellig for

og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte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

to nevnte representanter om hurtigbehandling av asylsøknader fra kriminelle asylsøkere, avgrenset til narkotikaselgere. Det vises først og fremst til situasjonen langs Akerselva

heller ikke enstemmig. Flertallet i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, foreslår at representantforslaget vedlegges protokollen. Med det signaliserer vi at vi er enig i sak,

I 2008 ble det tatt initiativ til ytterligere 20 avtaler, som det nå jobbes med. Men avtaler er ikke nok. Tvangsretur krever dokumentert ID. Et nasjonalt ID-senter ble derfor opprettet to hurtigprosedyrer, 48 timers og tre ukers, og vi velger i enkelte tilfeller å behandle sakene selv. Siden 2009 er det satt inn en forsterket innsats mot

De pågrepne kom hovedsakelig fra Algerie, Nigeria, Somalia, Tunisia og Midtøsten. Vi forhandler avtaler med Algerie og Nigeria og

De to sistnevnte har vi avtale med, de tre første ikke. Regjeringen har i tillegg varslet sak før sommeren om

har valgt å fremme forslaget deres om å intensivere forhandlingene om returavtaler, mens de er mer tilbakeholdne med å anbefale søknadsbehandling i Norge for personer som kan

slår inn åpne dører. Det er deres fulle rett, men forslagene tilfører ingen nye konstruktive ideer utover det regjeringen allerede har iverksatt av tiltak for å komme et alvorlig samfunnsproblem til livs. Dermed får at flertallet har dem mistenkt for å ha en litt annen agenda i tillegg. For oss som følger med i det politiske er det påfallende hvor ofte de ulike opposisjonspartiene argumenterer med alle de forslagene de har fremmet i Stortinget og fått nedstemt. Det er

eller forbereder for stortingsbehandling. Når det gjelder denne konkrete

det som forslagsstillerne fra Venstre peker på, og som en samlet opposisjon tar tak i, at det går for sakte med å få tilbakesendelsesavtaler. Det er riktig at det er inngått avtaler med 20 land, men det er fortsatt 20 land som det forhandles med om å få på plass denne type avtaler. Det er riktig at det er en intensivert innsats når det gjelder å sende tilbake asylsøkere og behandle dem innenfor men det er altså bare 2,5 pst. av de 10 000 asylsøkerne som kom i fjor, som har blitt behandlet etter 48-timersregelen. Så er det et punkt som jeg tror flertallet rett og at her snakker vi ikke bare om asylsøkere som er i Norge over lang tid, men vi snakker om folk som blir returnert til førsteland i Europa etter til å bestille ny billett til Norge for å fortsette narkolangingen og kriminaliteten her. Det er dette opposisjonen ønsker å ta tak i. opposisjonen ønsker å ta tak i. Flertallet har avvist forslagene, mens Kristelig Folkeparti, Høyre og og presiserer at dette kan foretas innenfor rammen av Dublinkonvensjonen. Det er

det må selvsagt være unntaket, det må være når dette er noe som gjentar seg. Jeg synes det blir litt spesielt

forrige uke med å bortforklare hva Stoltenberg egentlig hadde og det gjorde han på en grei og god måte. Men det står fast at det på Arbeiderpartiet hjemmeside og på Arbeiderpartiets ulike informasjonskanaler lenge lå ute at det

Norge. Det var ikke spesielt populært hos noen, verken hos arbeiderpartiordførere eller hos andre ordførere. Jeg vil på vegne av opposisjonen fremme de to forslagene som ligger i be om at vi skal slippe å si at dette var forslag vi fremmet i Stortinget som ble nedstemt. Det hadde vært hyggelig om regjeringen og regjeringspartiene for én gangs skyld kunne bevege seg, særlig når statsministeren også har beveget seg, i en retning

allerede i dag. I de tilfellene der politiet ønsker en prioritering av realitetsbehandling, og hvor det er mulig å uttransportere til hjemlandet, bør vi legge til rette for det. I stedet for en alternativ behandlingsprosedyre ønsker vi i Kristelig Folkeparti at den allerede etablerte skal gå raskere og være mer effektiv enn den er i dag. Det bør være et mål for regjeringen å øke andelen av asylsøkere som blir behandlet etter 48-timersregelen og treukersprosedyren. En effektiv og rask behandlingsprosedyre er avgjørende for å sikre troverdigheten til asylinstituttet. Asylsøkere skal slippe å gå i mange måneder – og behandlingsprosedyre er avgjørende for å sikre troverdigheten til skal slippe å gå i mange måneder – og i noen tilfeller flere år – før de får endelig svar på om de får bli i dette landet. En så treg saksbehandling fører til at tilliten til asylinstituttet blir Når dette kombineres med at noen asylsøkere i tillegg driver med kriminell virksomhet mens de venter på å få ferdigbehandlet søknaden, sier det seg selv at tilliten til i likhet med alle andre partier, at prosedyrene skal gå hurtigere, uten å gå på bekostning av rettssikkerheten til søkeren, selvsagt.

at dette er en prioritet. Vi ønsker å se mer handling. Det er viktig av hensyn til mennesker som har et beskyttelsesbehov, at tilliten til asylinstituttet ikke undergraves. Derfor bør det reageres mot misbruk av

Så vil jeg også bare nevne et annet moment som ofte blir glemt, nemlig de som tvinges til å begå kriminalitet. Menneskehandel er også et anliggende man må ta høyde for i saker som denne. ofre for menneskehandel øker i Norge. At problemet øker, kan være et tegn på at det er lukrativt for bakmenn å komme til Norge og bedrive denne virksomheten. I det store bildet må også dette

Til slutt vil jeg bare si at Kristelig Folkeparti støtter forslagene til mindretallet,

ingen rolle om forslaget er godt, det spiller ingen rolle om det står i Arbeiderpartiets program engang, det eneste som betyr noe, er at Arbeiderpartiet har fremmet forslaget sjøl. Det er det som avgjør om man stemmer for. Det står svart på hvitt. Jeg må si at jeg

være tilbake igjen så fort det tar å fly tilbake fra Tyskland, og folk som føler at problemene de opplever, ikke blir tatt på alvor, at det bare er småkriminalitet, men det er en type kriminalitet som oppfattes som veldig truende og krenkende i de delene av byen der det foregår. Det Venstre gjorde, var å gå en runde, at vi har kjempet i bystyret for å få vakter i området og byverter som skal prøve å få opp området, der vi har jobbet for å få belysning på plass, der vi har jobbet for å få

men det kan gjøres fortere enn for folk som kommer flyktende fra konfliktområder. Så var man opptatt av at man sendte ut folk

Jeg er veldig for Schengen-avtalen, jeg er veldig for Dublin-avtalen. Men det er ingenting i veien for at folk som havner i en loop mellom ikke kan få lov til å avslutte den loopen og bli sendt til opprinnelsesland. Så til slutt: Det sies at vi

ser helt tydelig hva det her er snakk om, nemlig at det er folk som – akkurat slik som representanten Trine Skei Grande beskriver det – leverer inn en asylsøknad i

at en stor del av noen typer kriminalitet begås nettopp i dette området. Dette må vi gjøre noe med. Mitt poeng – for å replisere til Trine Skei Grande i

Det første forslaget – intensivere forhandlingene om tilbakesendelsesavtaler: Det er et forslag som sier at regjeringen gjør mye, men at den må gjøre enda mer. Det er helt greit at representanten Skei Grande sier det, men jeg tror vel at vi fra regjeringspartienes side og fra regjeringens side at vi har jobbet kontinuerlig gjennom alle de seks årene vi har sittet i regjering, med å få flere tilbakesendelsesavtaler. Vi har en rekke nye tilbakesendelsesavtaler og et med politi og myndigheter i andre land både innenfor og utenfor Schengen som nettopp sikrer det som Trine Skei Grande ønsker. Jeg opplever heller ikke at det er der det rettes noen kritikk mot

at også justisministeren kommer til å gå nærmere inn på, og det er den siste delen av det andre forslaget, der det står: «Stortinget ber regjeringen sørge for at denne «hurtigfilen» benyttes som et alternativ til Dublin-behandling når personene flere ganger er arrestert for salg av av narkotika.» Det er klart at utgangspunktet for oss

antall, eller Trine Skei Grande eller andre kan vise til at her er det snakk om et stort antall, er det klart at da er det en type forslag som det vil være mulig å diskutere. Men vi ønsker i utgangspunktet at saken til disse folkene skal behandles i de landene som har ansvar for dem, ikke at Norge skal overta ansvaret for uttransportering til andre land. Det

ikke skal kunne drive på med kriminalitet i de delene av byen som vi er opptatt av, nemlig langs Akerselva og omkringliggende områder. Det er ingen tvil om at kriminaliteten langs Akerselva gjør noe med oss som bor i området. Det er

Jeg må si at jeg blir litt i stuss når jeg lytter til SVs representant Heikki Holmås, som sier, med referanse til tilbaketakelsesavtaler, at her har regjeringen hatt et enormt fokus Det er med respekt å melde ikke nødvendigvis riktig. Regjeringen skal ha ros for at man de senere årene har fått fokus på dette, men det er altså etter den enorme Men fremdeles gjenstår det mye. Derfor er det en samlet opposisjon som står bak disse forslagene. Tilbaketakelsesavtaler er viktig, og vi må få det på plass med alle

kommer tilbake til Norge, til tross for at man har sendt dem tilbake til det landet der asylsøknaden skal behandles. Det er altså fullt mulig, også innenfor

om dette er forslag som i seg selv er greie, er det langt fra nok dersom man ønsker å rydde opp i problemet med kriminelle etter gang blir pågrepet, begår ny kriminalitet og slipper ut på gata igjen – og går i sirkel i så måte. Det er altså helt andre og langt mer kraftfulle tiltak som er nødvendig, og da tenker jeg først og

prøver å gi inntrykk av at man skal rydde opp med tanke på kriminelle asylsøkere, er ikke det som ligger på bordet her, tilstrekkelig. Venstre bør gå i seg selv, sammen med regjeringspartiene, for man er ikke villig til å sette inn de konkrete tiltakene som er nødvendig. Så er det flere som klager på lang saksbehandlingstid. Det er klart at

Saksbehandlingstiden blir også lang når man skal strekke seg veldig langt, og ikke bare gi opphold til folk som er beskyttet

har vi hele tiden lagt

en ny toppmåned, den måneden da vi har hatt størst tilstrømning av asylsøkere til utenom 2009. Det er en utvikling som skjer når man ikke er villig til å stramme tilstrekkelig inn i asylpolitikken. På toppen av det

Disse forslagene er bra. Fremskrittspartiet støtter dem, men jeg legger til grunn langt sterkere virkemidler dersom man skal få kontroll på dette problemet. Og da snakker jeg ikke bare om kriminelle asylsøkere som misbruker vår gjestfrihet, men også om å og da spesielt asylpolitikken. Da kommer man ikke utenom at lukkede mottak og effektiv saksbehandling, uten gjenopptagelsesmuligheter – gang etter gang – er en helt nødvendig vei å gå.
Neste taler er statsråd Knut
President! Tusen takk. Det var fint å få ordet. Etter å ha hørt det siste innlegget må jeg jo si at jeg vil gi honnør til for å være konkrete opp mot det som er problemstillingen, og for ikke å sause dette sammen. Hvis man virkelig skal gå inn i det siste innlegget fra representanten Per-Willy Amundsen, er jo det på mange måter noe av det farligste vi kan gjøre, å behandle om det var de som begikk straffbare handlinger. Det ville ramme en stor gruppe på en veldig uriktig måte, etter min mening, og bringe hele Men la meg først konstatere det helt grunnleggende: Både regjeringa og komiteen er enige om at det er viktig at det så raskt som mulig avgjøres om en asylsøker skal få opphold i Norge eller ei, og at dette er særlig viktig

Jeg kan rapportere om det motsatte. Utlendingsforvaltningen har derfor på bakgrunn av situasjonen satt inn flere tiltak. I 2009 ble det

rusmiljø er at alle saksbehandlingsprosedyrene vi har, både 48 timer, 3 uker og Dublin-prosedyre, benyttes i behandlingen av asylsøknadene. Jeg tror det er veldig viktig at vi har en individuell for bl.a. å se på mulighetene for tvangsretur, om man har tilbaketakelsesavtale. Det vil jo selvfølgelig være svært viktig Som flertallet i komiteen viser til i innstillingen, er arbeidet med tilbaketakelsesavtaler en oppgave om står høyt på regjeringas dagsorden. Det har vært en forutsetning for den returpolitikken som man har ført i løpet av de siste to årene, hvor vi virkelig

Samtidig arbeides det med ca. 20 nye avtaler, og det foregår en løpende vurdering med hensyn til

også løpende kontakt med viktige land vi allerede har inngått avtale med, for å sikre at avtalene fungerer og praktiseres på en smidig og effektiv måte. Til tross for viktigheten av inngåelse av slike avtaler minner jeg om at alle land har en ulovfestet folkerettslig forpliktelse til å ta tilbake egne og Norge gjennomfører tvangsreturer til en rekke land vi ikke har slike avtaler med. Jeg har også merket meg mindretallets forslag om at regjeringa «i større grad må benytte seg av muligheten til hurtig å dersom de raskt returnerer fra et annet medlemsland i Dublin-samarbeidet og begår ny kriminalitet i Norge». Som komiteen viser til, har vi sett har blitt returnert til et annet europeisk land under Dublin-avtalen, i løpet av kort tid har kommet tilbake til Norge. Det er derfor ønskelig at flere returneres direkte til sitt hjemland. Selv om en sak er underlagt Dublin-prosedyren, kan Norge seg ansvaret for søknaden. I så fall må UDI foreta asylintervju osv. Dette blir gjort i enkelte tilfeller hvor politiet ønsker prioritering og realitetsbehandling, og det er mulig å Det må nettopp ligge bak for å kunne foreta en slik behandling. Denne muligheten er viktig for søkere som stadig vender tilbake på tross av at de tidligere er tilbakeført etter Dublin-forordningen, og for personer som har begått kriminalitet, men hvor vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfylt.

i hvert fall ganske få – tiltak for å stramme inn asylpolitikken som fikk en viss gunstig effekt, nemlig at tallene gikk ned. Men som resultat av det har vi altså i løpet av få år, på grunn av den store tilstrømningen vi hadde da, mer enn doblet utgiftene på

For det første syns jeg vi skal utvise en viss varsomhet med å si at nå kommer det en ny flom av asylsøkere til Norge. Det mener jeg Aftenposten heller ikke har dekning for å at det ville være langt flere som kom til Norge allerede nå, på bakgrunn av den situasjonen vi bl.a. har rundt Middelhavet. Men, som jeg også sier til Aftenposten i dag, dette er et område hvor det er veldig vanskelig hva som blir utviklingen. Vår prognose ligger fortsatt på 11 000 asylankomster, som er betydelig lavere enn i 2009. kommer til å fortsette å intensivere den politikken vi har på dette området, bl.a. – og det tror jeg er noe av det aller viktigste, og det kommer vi til å stå ved – å redusere saksbehandlingstida. Jeg er glad for – det var litt underkommunisert i Aftenposten i dag dessverre, for det var en god at asylsaksbehandlingstida går såpass ned nå, som UDI faktisk viser til, at vi får en betydelig reduksjon i den, og

og hvor det for en stor del er asylsøkere som selger. Jeg kommer ikke til å stille det spørsmålet, for jeg tror at vi ikke hadde hatt noen justisminister som ville vært fornøyd med det. Det min replikk skal innby til, er en viss refleksjon

er tom og at nå er alle ideer tatt i bruk, er en veldig dårlig holdning i politikken, også på dette området. Men jeg må samtidig si at jeg syns Oslo politidistrikt og Utlendingsdirektoratet, sammen med Politiets utlendingsenhet, her har vist at det går an å sette inn effektive tiltak. Så vil man kunne si at her må det til mer av det samme for å få bukt med dette. Vi vil antakelig aldri komme i den situasjonen at vi får null asylsøkere som kommer til Norge og omsetter stoff eller begår straffbare men jeg mener at de erfaringene man har hatt med de massive pågripelsene man har hatt i løpet av de siste årene, også påfulgt av utsendelse og rask straffesaksbehandling, faktisk bidrar til å redusere i den situasjonen at man vil flytte problemet en del, men jeg tror på at

mitt innlegg gjorde jeg en liten omvei, og brukte noen på dette som har med menneskehandel å gjøre. For jeg tenker at når man diskuterer en sak som denne, er det viktig at man har flere tanker i hodet samtidig. Vi vet jo at er det også en gruppe mennesker som tvinges til å utføre denne kriminaliteten. Vi vet bl.a. at i løpet av de ti siste årene har mellom 300 og

organiserer det hele. Samtidig er det slik at den organiseringen av politiet man har gjort med tanke på dette, særlig innsatsen i Oslo, men jeg vil også nevne Trondheim og Bergen, har vært avgjørende for at vi i det hele tatt har kunnet iretteføre noen av de omfattende menneskehandelsakene. Det må forsterkes. Replikkordskiftet er dermed omme. De
Nei, det

at det henhører til det kriminalitetsbildet at det er en del mennesker som på falske premisser utnytter asylinstituttet, ikke fordi de har et beskyttelsesbehov, men fordi det gir

Jeg er enig med de representanter som har sagt at det var et mange prosjekter, det er mye som pågår. Men det er ikke bare spørsmål om hva man setter inn av virkemidler; det er også et spørsmål om summen av dette gir oss det resultatet Jeg reflekterer litt over hva man egentlig bruker politikk til. Jeg mener at det å holde stoff unna våre unge, det ikke å akseptere at våre storbyer blir for tunge narkotiske stoffer – er en av politikkens

Han er med i en regjering som bekjemper private innslag i skoleverket, og gjør det ganske effektivt. Han er med i en regjering som også bruker sitt politiske Men når det gjelder dette som er det viktigste i et bysamfunn og i et samfunn for øvrig, nemlig hører vi at man stadig står og stamper. Man har ikke virkemidlene. Jeg kunne tenke meg å høre om justisministeren

i Norge, i stedet for etter Dublin-regelverket.» Ja, men det mener jo også justisministeren, og det praktiseres også når det

Så hva mener egentlig Venstre med «i enkelte tilfeller»? For i det hele tatt å ha en begrunnelse for å fremme et slikt forslag må jo Venstre åpenbart mene at utlendingsmyndighetene ikke bruker denne muligheten ofte nok. Hvilket grunnlag har Venstre for å mene det, og hvor ofte må denne muligheten brukes for av mange nok til å fortjene betegnelsen «i enkelte tilfeller»?

mer enn noen gang før i 2010, 4 615 tvangsreturnerte – en økning på 38 pst. fra 2009 og 98 pst. økning om vi sammenlikner med 2008.

kriminalitet er noe man gjør, og årsakene kan være mange. Vi vet at mange asylsøkere utnyttes av bakmenn til å drive kriminalitet, og vi vet at mange drives inn i kriminalitet fordi de ikke har andre muligheter. Samtidig vet vi at mange kommer til Norge med ett formål – å begå straffbare handlinger. Det er med andre ord et sammensatt bilde, og det er uheldig om vi bidrar til å sette likhetstegn mellom asylsøkere og kriminalitet, og jeg er overrasket over at forslagsstillerne fra Venstre ikke er mer oppmerksomme på denne siden av Når det er sagt, mener jeg likevel at vi skal legge godviljen til, og jeg tolker forslaget som et uttrykk for genuin bekymring over en situasjon som folk i Oslo opplever som veldig

beboere på vei til og fra jobb, og nylig hørte jeg om en forretning på Vaterland som ble nedlagt etter en serie med væpnede ran. Jeg har også snakket med politiet og deltatt på debattmøter med beboere og næringsdrivende i området; alle er alvorlig bekymret. Det er riktig som representanten Holmås sier: Dette

med de konsekvenser det har for folk som bor her, men et problem om de samme menneskene pålegges å være på et asylmottak på landet. Det er visst nødvendig å minne representanten Helleland om at Oslo også er et bosted. Vi er helt enige om at mennesker som undergraver og misbruker asylinstituttet, og som ikke har krav på beskyttelse, skal ut av landet. Det er viktig av mange grunner. Spørsmålet er: Hvordan? Forslagsstillerne har rett i at

da leverte ikke Venstre de tilbaketakelsesavtalene som hun i dag etterlyser. Det er en ærlig sak, men det setter hennes patosfylte innlegg og etterlysing av mer handling i et underlig

Ja, men da spør jeg Per-Willy Amundsen: Er det sånn at Per-Willy Amundsen helst skulle ha unngått det

bra det som skjer når befolkningen reiser seg mot en diktator, og den krigen som da kommer i forlengelsen av dette, fører til at

muligheten til å begrense innvandringen til Europa, slik som tidligere? Jeg vil si at det er bra at mennesker søker om asyl og beskyttelse i Norge når de drives på flukt fra diktaturer andre steder der det foregår folkelige opprør, som gir dem mulighet for å skape et bedre land. Men jeg ser at Fremskrittspartiet heller vil ha diktaturene ved makten. Folk som begår kriminalitet, og som dekker seg bak en asylsøknad, ødelegger for alle asylsøkere som bruker til å søke om beskyttelse nettopp fra diktaturer og krig. Derfor er jeg for å trygge nabolag. Jeg er for

det virkemidler som regjeringen ikke har tatt i bruk, og som den nå vil begynne å ta i bruk, nemlig å fengsle den type

Dette blir gjort i enkelte tilfeller» osv. Det nevnte han også i sitt innlegg. Spørsmålet er: I hvilke tilfeller har dette blitt gjort? Hvor ofte har denne prosedyren blitt benyttet? I og med at Storberget nå har statistikk på det meste, vært interessant å høre i hvor mange saker har man har brukt Dublin-prosedyren i denne sammenheng. Hvor mange ganger har det skjedd at kriminelle asylsøkere som har hatt

For det er jo det dette forslaget i utgangspunktet handler om. Nå har vi som sitter i komiteen, lagt til at det ikke bare gjelder narkolangere, men det gjelder også annen kriminalitet. Det tror jeg er en viktig presisering, fordi det er mange

avtalene med andre land. Hvor mange avtaler kan forventes å bli inngått i løpet av året? Og: Når regner man med at avtalene med de 20 landene som man nå forhandler med, er

strømmen av flyktninger og asylsøkere til et land ofte blir påvirket av hvorvidt det er krig i andre land, og det er det vi ser nå. Regjeringa

flotte politimenn bli flirt opp i trynet av folk som er med på å undergrave noe av det flotteste jeg vet i forhold til menneskerettigheter, nemlig retten til å søke asyl. Det er derfor vi har

en narkotikapolitikk som er annerledes, men det er viktig at vi kjører en asyl- og flyktningpolitikk som er annerledes på dette punktet.

hvor mange uttransporterte som er nok, er svaret egentlig veldig enkelt for Fremskrittspartiets del. Det må være like mange som det er mennesker som befinner seg ulovlig i dette landet. De skal ut, de skal ikke kunne være her og fortsette å misbruke åpenbart. Så kommer Håkon Haugli med noen utfall. Han er veldig opptatt av semantikk, skjønner jeg, og synes det er veldig viktig

om distrikt kontra storbyer. Det skjønner jeg godt at representanten Haugli ønsker som Oslo-representant, men jeg synes det er en rimelig uinteressant debatt.

rundt hele problemet. Vi har fortsatt med å diskutere dette år etter år etter år, uten at man gjør det åpenbare som Fremskrittspartiet har foreslått i Stortinget ved en rekke

har vi fått røyket det ut – når SVs representant Holmås sier at det er bra at folk Hvor mange er nok? Er det ingen grense for hvor mange man ønsker skal komme og søke asyl i Norge? Det er det tydeligvis ikke for SV. Så er det ikke sånn som SV forsøker å innbille Stortinget, at Fremskrittspartiet er imot demokratiseringsprosesser i Nord-Afrika. Det er en flott ting, selv om vi ikke vet resultatet av det ennå. Det er flott med demokratisering, men når

Det skjer noe med politikken når vi behandler denne type saker, som gjør at stemningen blir litt til å ta og føle på. Jeg har bare lyst til å starte der, for jeg mener at som vi behandler i salen, bør behandles på en respektfull måte. Vi skal være åpne også for nye virkemidler i dette – først og fremst fordi vi ser at virkemidlene som man har satt inn, gir effekt. Derfor vil jeg følge opp litt av det representanten Tetzschner utfordret meg på: Finnes det flere typer verktøy som regjeringen jobber med inn mot dette? Det syns jeg er et godt spørsmål. Vi må videre. Vi må få tallene ned. Vi må få antallet som vi klarer å effektuere ut av landet av dem som begår straffbare handlinger, opp. Tallet er høyt. Det var høyt i fjor. Vi skal lykkes med det i år også, for vi

For det første er det å jobbe videre med å få saksbehandlingstida i UDI og UNE ned. Det at man nå er i ferd med å halvere saksbehandlingstida, gir oss håp om at med ytterligere tiltak vil UDI klare å få det ned til 60 dager for en asylsak, i at man etablerer de tiltakene man gjør nå både på IKT og med mulighet for å søke raskt og få raske svar, er helt åpenbart viktig. Strukturelle endringer i UDI – åpenbart viktig. Det man har gjort

som også er viktig i dette bildet. Så vil jeg igjen peke på det varslede – godt varslede, får jeg si – forslaget om å kunne bruke ytterligere fengslingshjemler overfor denne for å sikre dagene forut for utsendelse, slik at de ikke glipper for politiet. Det tror jeg er avgjort viktig. Så her er det gjort mye, og det kommer mange tiltak. Representanten Helleland spør etter tall, dvs. i hvor mange saker man har brukt Dublin-prosedyren. Jeg tør ikke å ta de tallene direkte herfra nå, men dem skal

oppfattet i kommunalkomiteen, ved de innleggene som har kommet fra komiteens leder, som fant tiden inne til å påpeke eventuelle italienske forbilder for representanten Helleland, hvilket jeg tror ligger litt på

komitékolleger fra SV og Arbeiderpartiet har i denne debatten vært veldig opptatt av å forsikre oss om at regjeringen gjør alt som er mulig å gjøre, og når problemene da fortsatt ikke løses, som hører en storby til, er gjennomgangstonen. Jeg mener at en viktig betingelse for å få gjort noe med samfunnsproblemer, er å erkjenne dem, erkjenne omfanget, for da kan man begynne en diskusjon om hva som er å bekjempe denne form for kriminalitet. Der må jeg igjen si at jeg føler en større åpenhet når jeg lytter til statsråden, selv om det er mer å gå på når det gjelder forkortet saksbehandlingstid. Jeg kan

med virkemidler utover det som er nevnt i departementets høringsbrev. Da vil jeg peke på noe

Og med det fokus det har vært på formelle avtaler, må vi minne hverandre om at det er en ulovfestet regel i folkeretten at alle land har en plikt til å ta tilbake egne Det tredje og siste poenget i denne sammenheng er at vi også har behov for å tenke gjennom vårt kontrollregime ved grensene, bl.a. fordi det er nye teknologiske virkemidler som gjør at man kan kontrollere

taler, Michael Tetzschner, som sier at han opplever lite imøtekommenhet i komiteen, og at komiteens flertall synes å mene at regjeringen gjør alt som er mulig. Nei, det har vi ikke sagt. Vi har sagt at vi deler forslagsstillernes bekymring for den situasjonen som beskrives, og som vi alle kjenner til, bl.a. ved Akerselva, og som vi også finner i Hordaland, i Nygårdsparken i Bergen, i Rogaland og i ikke er med på, er å vedta forslag om å innføre noe som allerede er innført; det er det som blir så snodig. Det er da vi lurer på om det også finnes en annen agenda her. Og det er ikke sånn at vi alltid har som prinsipp at vi stemmer ned alt fornuftig som måtte komme fra opposisjonen. Jeg vet jo selv at statsråden bl.a. har lånt øre til opposisjonen

er det klart at vi da er med på å diskutere det. Det er mulig at det er meg det er noe i veien med, men jeg klarer ikke for mitt bare liv å skjønne forskjellen på en 48-timersprosedyre og en

alle mennesker fra den tredje verden, enten det er snakk om flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. Det står jo for så vidt i programmet. Helt til slutt har jeg også lyst til å gjøre Høyres Trond Helleland en liten visitt. Han sier at flertallet ikke

Holmås har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort

Det andre er den, etter min oppfatning, urimelige påstanden fra Michael Tetzschner i debatten om at vi ikke er lydhøre for forslagene. Jeg mener at vi går inn

narkotika og voldtar jenter uten grunn». Det er klart det gjør noe med bildet av asylsøkere, og jeg synes det er betimelig å minne om

dette handler ikke om semantikk, dette handler om realiteter og det ansvaret vi må ta. Så er det spesielt at Per-Willy Amundsen i neste åndedrag bekrefter at han ikke ser forskjellen på kriminelle og asylsøkere, for hans anliggende er å begrense antallet asylsøkere som kommer til Norge. Punktum. Debatten etterlater et bestemt inntrykk: Når opposisjonen ønsker mer handling, ønsker de faktisk mer av det som allerede skjer. Og det er bra, for det gjør vi også.

kommer Fremskrittspartiet til å fortsette å si. Vi lar ikke være å omtale ting som de er, av hensyn til å være politisk korrekt. Kriminelle asylsøkere er kriminelle asylsøkere. Så er det helt riktig at Fremskrittspartiet vil begrense asylinnvandringen til kongeriket. Det er helt riktig. Vi vil asylinnvandringen til kongeriket. Det er helt riktig. Vi vil også gjøre det umulig for asylsøkere å begå kriminalitet fritt i det norske samfunnet. Det gjør vi med lukkede asylmottak. Så vi gjør faktisk to ting på én gang – ikke bare en representanten Haugli prøver å fremstille det. Så registrerer jeg at representanten Holmås ikke klarer å gi et svar på hvor mange asylsøkere som er nok, og det virker for meg som om SV ikke har noen grense

saken, med enstemmige merknader. En sterk og uavhengig riksrevisjon er et sentralt element i ethvert Dette sier komiteen i forbindelse med Riksrevisjonens bidrag til institusjonsutviklingen av riksrevisjoner i andre Dette gjelder selvfølgelig også for riksrevisjonen i vårt eget land. Jeg finner det derfor riktig å understreke at det er kontroll- og konstitusjonskomiteens mening at vår riksrevisjon er som gjør et viktig, riktig og godt arbeid. Riksrevisjonen er Stortingets største eksterne Det er rett og slett avgjørende viktig for Stortinget at det er en kontinuerlig gjennomgang av forvaltningens evne og vilje til å følge opp Stortingets beslutninger. Og det er avgjørende at også også Stortingets signaler tilbake til Riksrevisjonen blir tatt til følge og på alvor av Riksrevisjonen. Tilbakemeldingene til Riksrevisjonen har de

Alle de dokumenter og rapporter som Riksrevisjonen legger fram for Stortinget, er grundige, og en god oversikt over en bred virksomhet. Jeg mener årsmeldingen også viser at for at Stortinget skal kunne fylle sitt ansvar som konstitusjonelt kontrollorgan. I år gir den også Riksrevisjonens blikk på egen virksomhet. Riksrevisjonen har gjennom brukerundersøkelser kartlagt hva ulike berørte parter har av oppfatninger av Riksrevisjonens arbeid. I all hovedsak viser disse undersøkelsene at Riksrevisjonens arbeid nyter stor respekt. Det er en oppfatning som komiteen deler. Når det er sagt, må det også trekkes fram at ikke alle er like fornøyd med måten Riksrevisjonen presenterer sine undersøkelser på, særlig at Riksrevisjonens pressekonferanser ikke alltid gir et balansert og dekkende inntrykk av revisjonsresultatene. Komiteen mener at Riksrevisjonen må være seg bevisst hvordan de presenterer

har høy troverdighet og høy integritet. I lys av dette blir kravet til Riksrevisjonens håndtering av kommunikasjon utad desto viktigere og Komiteen ber Riksrevisjonen ta med seg funnene fra brukerundersøkelsene i videreutviklingen av sin kommunikasjonsstrategi. På den annen tydelig understreke på komiteens vegne at de institusjoner som blir kritisert, ta kritikken konstruktivt og lære av den, slik at svakheter blir rettet. Det er en fornuftig balanse i Komiteen er meget fornøyd med at Riksrevisjonen har et tverrsektorielt blikk, at de legger vekt på å følge med på de utfordringene som gjelder flere sektorer. Ikke minst gjelder dette og informasjonsutvikling på tvers av sektorer og departementsområder. Dette er opplagt og høres ganske enkelt ut, men er det sjelden. Desto viktigere blir det når vi alle vet at alle politikkområder henger sammen og påvirker hverandre. Derfor påpeker komiteen tydelig dette arbeidet fortsetter, og at man er i stand til å håndtere dette kanskje på en bedre måte enn hva man gjør i dag.

Dette er områder som også angår de aller fleste av oss, og som har stor innvirkning på den enkeltes levekår og mulighet til livsutfoldelse. Som folkevalgte representanter er vi glad for at Riksrevisjonen hele tiden har oppmerksomheten rettet mot disse områdene, som også er forutsetningen for et godt samfunn. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13.

på en dag som dette er det rimelig å avgi sivilombudsmannen en aldri så liten hyllest. Jeg tror mange undervurderer den rollen sivilombudsmannen har. Derfor synes jeg det er viktig å understreke at vi ser på sivilombudsmannen som vår forlengede arm og som en slags

mener det fortsatt er et godt stykke å gå før vi har kommet dit. Kanskje betyr det at sivilombudsmannen bør engasjere seg mer i media i konkrete saker hvor det faller naturlig. Det er mye som tyder på at forvaltningen stort sett fungerer bra.

Kort er vel egentlig det rette ordet å bruke, for den er blitt betydelig kortere. å forholde seg til, samtidig som man kan gå inn på de enkelte klagesakene via nettsidene. Det synes komiteen også er en bra utvikling. I 2009 tok komiteen opp at Norge har undertegnet, men ikke ratifisert fikk komiteen forsikringer om at dette skulle følges opp av Utenriksdepartementet. Det er egentlig ikke skjedd, men det er på nytt kommet en lovnad om at ratifiseringen er nært Komiteen skriver i innstillingen at vi er tilfreds med svaret fra Utenriksdepartementet hva gjelder fremdrift på ratifiseringen. Men jeg synes likevel det er verd å merke at det kan umulig være akseptabelt om dette spørsmålet også kan bringes på banen om et år som et uløst spørsmål. Jeg vil også minne om at Stortinget for et år siden i tilsvarende sak at en mente at sivilombudsmannen skulle ha rollen som nasjonal forebyggende instans. Jeg regner med at Utenriksdepartementet følger opp det. Det er

har rett til innsyn i de opplysningene og dokumenter han selv mener er viktige for å foreta kontrollen på Stortingets På to punkter er komiteens innstilling ikke enstemmig. Det ene dreier seg om den litt merkelige diskusjonen som vi fikk demonstrert gjennom saksordførerens innlegg i dag, nemlig om sivilombudsmannens kjønnsnøytralitet, eller rettere sagt Jeg synes egentlig det er litt trist at man år etter år skaper en stor diskusjon om tittel. I fjor så vi også at enkelte medier synes den uenigheten var Det er ikke bra. Den andre uenigheten er knyttet til dagens regler for dekning av saksomkostninger i saker der sivilombudsmannen anbefaler søksmål. Jeg er litt alle partier er tilfreds med at statsråden henviser til dagens regler og har et ønske om å presisere disse. Hele problemet med dagens ordning er at

Utgangspunktet for de fleste som klager til sivilombudsmannen, er nok at de ikke har den største tilliten til forvaltningen. Det å tro at borgere med denne grunnleggende misnøyen våger å stole på at «storebror stat» skal være velvillig etter vår vurdering som litt underlig. Derfor mener Fremskrittspartiet at en må se dette i et annet lys, og vi vil følge opp dette videre ved en senere anledning. Så vil jeg til slutt liten hilsen til finansministeren: Kildeskatten har ført en del skattytere opp i situasjoner som det er vanskelig å håndtere, rett og slett fordi den dokumentasjonen som Skatteetaten krever for å dokumentere at vedkommende skatter til

Først vil jeg også, på vegne av Kristelig Folkeparti, gi uttrykk for at årsrapporten fra sivilombudsmannen – som jo heter – har fått en veldig god form etter den omleggingen som har skjedd. Men la meg også føye til at vi

Jeg har lyst til å sitere et par setninger fra årsmeldingen til ombudsmannen. For vi, for så vidt, behandler denne rapporten og Riksrevisjonens rapporter, så er det jo ofte det problematiske vi fokuserer på. skriver følgende i sin årsmelding: «I mange saker opplever ombudsmannen at klagerne har forventninger til forvaltningen som ikke kan

kravene til norsk forvaltning øker hvert eneste år, og jeg tror vel også at skuffelsene vil øke i samme takt, for det er faktisk ikke mulig å innfri alle de krav som mange finner stadig mer naturlig å sette fram. Dette er noe av finner stadig mer naturlig å sette fram. Dette er noe av det ombudsmannen er inne på. La meg også sitere følgende fra årsmeldingen: «Ombudsmannens erfaringer fra klagesakene er at vi generelt sett har en godt fungerende offentlig forvaltning i er selvfølgelig et forbedringspotensial, og det er jo det vi ofte bruker tiden på. Det er vanskelig ikke å komme inn på at veldig mange av klagesakene dreier seg om Nav og en del i den kommunale forvaltning. Her er det fortsatt en jobb å gjøre for de offentlige Jeg slutter meg til det saksordføreren sa for øvrig. Jeg har bare lyst til å ta opp et par punkter fra vår Det første nevnte komitélederen, og det er kildeskatten. Her er poenget følgende – og det synes jeg faktisk regjeringen må ta inn over seg: Norsk forvaltning ber om dokumentasjon som ikke lar seg

Så må jeg bruke et par ord på et av våre departementer, og det er Det er et departement som ombudsmannen fant å måtte komme med en særskilt innberetning om til Stortinget for ikke dette departementet nektet sivilombudsmannen å få innsyn i et dokument som var avgjørende for ombudsmannens mulige vurdering av den saken han Det bringer meg over til den siste saken, som Langeland var innom, nemlig endringene i petroleumsloven, der sivilombudsmannen har bedt om innsyn i et brev som en borger var nektet innsyn i. Da er det å se hva Olje- og energidepartementet svarer til sivilombudsmannen, og som gjør at jeg lurer på om

er jo lesverdig i seg selv: «Et innsyn i nevnte brev fra ESA ville kunne medføre presseomtale av saken eller dette var det politisk viktig for regjeringen å forhindre. Dette var ikke minst viktig av hensyn til partigruppene på Stortinget, som lett ville kunne få forfeilede dersom den ble galt eller ukritisk omtalt offentlig før det var oppnådd enighet mellom departementet og ESA om en

at når man vil seile under bekvemmelighetsflagg i et departement, så gjør man det, og da gjør man det med fulle seil – og

fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å holde øye med våre departementer generelt, men kanskje ett departement spesielt. Det ville ikke vært unaturlig om det svaret som departementet har fått av ombudsmannen, også avstedkommer ytterligere grunnlag for å se nærmere på

Det skjer ikke ofte i parlamentarisk historie. Det skjedde i denne perioden overfor daværende olje- og energiminister. Det skulle man tro at – hva skal vi si – vakte en viss oppmerksomhet i regjeringen, i hvert fall ble notert, og man skulle tro at det i hvert fall i embetsverket ble notert. Men det har åpenbart ikke imponert noen i departementet hva Stortinget mener om det lovverk som Stortinget har hånd om.

for å si det på en annen måte, og det gjøres oppmerksom på det videre. Det er i grunnen min utfordring til Storberget. Jeg er for øvrig av den oppfatning at den norske forvaltning fungerer meget bra. Men det er nok en kultur i departementene, som jo bare har en begrenset del av forvaltningen, for å beskytte seg mot innsyn og presse og beste fall tolket er et forsøk på å forsvare eller beskytte en statsråd, men som i praksis ofte har den motsatte effekt fordi det

man studerer det sivilombudsmannen kommer til i sine saker, svært nøye. Dette er det selvfølgelig også dialog om mellom regjeringsmedlemmene. Når det påfølges fra komiteen, og endog også enstemmighet, sier det seg sjøl at det har den største vekt. Jeg skal nevne tre eksempler på det. Jeg mener at min erfaring fra Justisdepartementet gjennom de siste årene er at erfaring fra Justisdepartementet gjennom de siste årene er at sivilombudsmannen har bidratt godt for å påpeke ganske såre punkter i

Jeg mener at det som skjedde i politiet etter dette, særlig etter at sivilombudsmann også var involvert i saken, faktisk har bidratt til at man har kommet et langt stykke framover, enten det er spørsmål om utdanning på Politihøgskolen, eller nye regler, rutiner og retningslinjer fra særdeles viktig område. Det hadde også betydning da regjeringa valgte å innrømme Obioras etterlatte Det andre feltet som jeg har lyst til å trekke fram i særdeleshet, og hvor man ut fra sivilombudsmannens oppfatning i dag vil følge saken videre – og det er jeg glad

at vi tok grep opp imot hvordan den materielle situasjonen var, og den innholdsmessige situasjonen, særlig for barn og familier,

men jeg registrerer også at både komiteen og for så vidt også sivilombudsmannen påpeker det som har skjedd av positiv utvikling på utlendingsinternatet, og som er særdeles viktig for forholdene for dem som er der. Mange av dem er i en svært vanskelig situasjon, selvfølgelig. Det siste jeg har lyst til å trekke fram, er et felt som har vært vanskelig gjennom svært mange år, og hvor det er grunn til å ta kritikk. Det gjelder spørsmålet om opphold i politiarrest. De reglene man har for dette, og de normene som gis, blir brutt, og i for mange tilfeller. Det er slik som innstillingen peker på – og det tar vi til oss – at det i

to virkemidler for å kunne gjøre noe med sittetidene i arrest. Det er for det første

å få mer kapasitet, og slik at folk blir flyttet fra politiarrest til vanlige fengselsceller tidligere. Det andre som jeg har lyst til å peke på, og som er nytt siden sist,

slik at vi unngår så lang sittetid i politiarrest som det vi har sett. Jeg vil bare si at vi merker oss det som komiteen og sivilombudsmannen sier om dette, og at vi tar det på

Jeg vil understreke at hovedinntrykket i dag er at etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene i Norge arbeider godt i samsvar med de forutsetninger Stortinget har lagt til grunn. EOS-utvalgets årsmelding bekrefter dette inntrykket. EOS-utvalget som Stortingets kontrollorgan rapporterer direkte til

og fikk i 2010 21 klager mot EOS-tjenestene. EOS-utvalget har også selv initiert 23 saker. Selv om aktivitetsøkningen ikke ser det ut til at det samlede aktivitetsnivået i utvalget er noe høyere i 2010 sett i forhold til 2009. Det kan skyldes tilfeldigheter, men en eventuell vedvarende aktivitetsvekst vil få som konsekvens at bevilgningsnivået på sikt vil måtte øke Hovedinntrykket fra årsmeldingen er at tjenestene opererer bevisst og i hovedsak holder seg innenfor de rammer og regelverk som gjelder. Utvalget har også påpekt at tjenestene i hovedsak følger raskt opp i de tilfellene utvalget påpeker Jeg vil likevel kort omtale noen av de forholdene som er aktuelle for de enkelte tjenestene. Først finner grunn til å understreke at komiteen er fornøyd med den rapporteringen som EOS-utvalget gir Stortinget gjennom årsmeldingen. I det ligger også naturlig nok at komiteen er fornøyd med detaljnivået på opplysningene og vurderer dem som videre grunn til å understreke komiteens omtale av EOS-utvalgets innsynsrett i løpende saker. Komiteen har lagt til grunn at som utfører sin kontroll på vegne at Stortinget, i utgangspunktet har en ubetinget rett til innsyn. Denne retten gjelder også for pågående saker og tiltak og operasjoner i en pågående Også i 2010 er det funnet flere tilfeller hvor PST har behandlet personopplysninger i strid med Komiteen mener det er meget uheldig at de politisk vedtatte rammer for PSTs virksomhet på dette området i enkelte saker ikke følges opp. Stikkprøvekontrollen som EOS-utvalget har gjennomført, har resultert i 40 slettinger fra om tre særlige tilfeller hvor bruken av skjulte tvangsmidler er involvert. Jeg finner grunn til å omtale

dette tilfellet foregikk uhjemlet romavlytting i to døgn i påvente av ankebehandling. Det var ikke bedt om at rettens beslutning skulle gis oppsettende virkning. Komiteen kritiserer PST både for og at det ser ut til at PST i retten ikke fikk frem sakens fakta og heller ikke la frem subsidiær prosessuell påstand som ville gitt beslutningen oppsettende virkning, som var av betydning fordi overvåkingen var pågående. Komiteen forutsetter at PST gjennomgår egne rutiner for å sikre seg

Den første problemstillingen som utvalget pekte på, var at FFI henlegger saker når det fremkommer opplysninger som kan resultere i avslag, fremfor å er en praksis NSM har sagt de vil følge opp, hvilket komiteen er tilfreds med. Den andre saken dreide seg om en sikkerhetsklarering på vilkår på grunn av at søker hadde Klarering ble foretatt av Justis- og politidepartementet. Komiteen kommer her egentlig med en slags prinsipiell avklaring og er enig i at dobbelt statsborgerskap kan utgjøre et «særlig tilfelle» som gir mulighet til å gi sikkerhetsklarering med vilkår. Men komiteen forutsetter at klareringsmyndigheten foretar en individuell vurdering av alle som søker sikkerhetsklarering, og at dobbelt statsborgerskap i seg selv ikke avskjærer søkere fra ordinær Den siste saken jeg vil omtale her, gjelder en klareringssak som Forsvarsdepartementet brukte to år og fire måneder på å behandle.

ble viet en del oppmerksomhet under Stortingets behandling av årsmeldingen for 2009. Det er imidlertid ingen grunn til å vie dem særlig oppmerksomhet ved denne behandlingen, og det er meget positivt. fikk rettet fem klager fra enkeltpersoner mot seg i 2009. I 2010 er det bare blitt fremmet én klage. Saken ble avsluttet uten kritikk. Komiteen har tidligere vært opptatt av å sikre notoritet i kontakten mellom E-tjenesten og departementet når E-tjenesten har slik kontakt med departementet i saken. Det synes nå å være og komiteen ser at det har skjedd en positiv utvikling. Komiteen har også merket seg at E-tjenesten og PST på hver sin side er opptatt av å videreutvikle samarbeidet mellom tjenestene i Til slutt vil jeg presisere viktigheten av at det føres en effektiv kontroll med de hemmelige tjenestene. Det er tidvis en utfordrende balanse mellom samfunnets legitime beskyttelsesbehov og den enkeltes rett til privatliv. Jeg er glad for at vi har hemmelige tjenester som er effektive, men som samtidig evner å ivareta enkeltindividets rettssikkerhet på en god måte i de aller, aller fleste tilfeller. Det er avgjørende at de hemmelige tjenestene forholder seg til det rammeverk som settes opp fra politisk hold. Årsmeldingen fra EOS-utvalget viser at de i all hovedsak gjør det. Komiteen er enstemmig på alle områder

hvor man i løpet av de siste årene har gitt adgang til å bruke ganske omfattende og inngripende metoder, er viktig at kontrollmekanismene fungerer godt. Det sier jeg først og fremst fordi jeg mener det skaper legitimitet og tillit det bidrar til at folk forstår hvorfor ting gjøres, men også at man faktisk kan innhente informasjon fra befolkningen, og befolkningen har tillit til å gi fra seg informasjon. Så vi står overfor den parlamentariske kontrollen i dag, men jeg vil også understreke den konstitusjonelle kontrollen som særlig tilligger meg, og ikke minst den domstolskontrollen som PST er underlagt i forhold til bruk av I så måte vil også jeg faktisk gi honnør til EOS-utvalget, som på mange måter har bidratt til å synliggjøre og gjøre lettere den kontrollvirksomheten man også bedriver på

Kun en av disse sakene har medført kritikk og da av en mindre art. For at PST skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, er tjenestene avhengig av både å ha tillit og legitimitet, som jeg sa i stad, i befolkningen. Og at det er

slik tillit, i tillegg til at tjenesten holder seg innenfor legale rammer, er den åpenhet som tjenesten har utviklet i samarbeid med Justisdepartementet gjennom de senere år. Jeg har lagt til grunn at tjenesten fortsatt skal tilstrebe slik åpenhet begrenset opp mot de rammer som tilsier at oppgaveutførelsen til

og ikke minst de budsjettmessige spørsmål, hvor vi nå har valgt å være helt åpne om hvor mye penger som bevilges, og hvor mange som er ansatt. I tillegg til enkelthenvendelser driver utvalget imidlertid også omfattende kontroll på eget initiativ. Jeg får stadig rapporter i jeg har med PST, om at man fra PSTs side også oppfatter den virksomheten å være konstruktiv, god og

omhandler hvilke opplysninger som i seg sjøl ikke kan danne grunnlag for registrering. Det er min klare forståelse at PST i dag ikke følger med på personers religiøse eller politiske tilhørighet, eller at de har noen av å følge med på en slik aktivitet. Men for ytterligere å sikre en etterlevelse av instruksen er det i retningslinjene for behandling av opplysninger i PST gitt av Justisdepartementet 12. desember 2007 presisert at slike kun – jeg understreker kun – kan registreres såframt det i tillegg foreligger et grunnlag for registrering av vedkommende ut fra de oppgavene PST skal utføre innenfor de grenser som politilov og instruks for PST setter. Som et eksempel

å sikre at grunnlaget for registreringen kommer tydeligere fram i den teksten som blir skrevet i registeret. Jeg ser at det her fortsatt kan ligge en utfordring. Jeg har derfor tatt opp med PST at såframt utvalget i framtida også påpeker enkelttilfeller, skal det også tas opp med departementet før de slettes, nettopp for å gjennomgå grunnlaget for registreringen og derigjennom unngå at feil ordvalg i registerteksten er grunnlaget for kritikken. Justisdepartementet vil også rette ytterligere oppmerksomhet mot arbeidsregistreringer i sin tilsynsvirksomhet med Den andre saken, som jeg kort tar til slutt, er innsynsproblematikken. Jeg vil her innledningsvis påpeke at utvalget skal påse at tjenesten «arbeider innenfor rammen av lov, direktiver og ulovfestet rett». Det er også merknader til slik aktivitet fra

knyttet til om en person kan få en bekreftelse på at vedkommende ikke har vært registrert i PSTs arkiver eller registre når tidsrommet for mulig registrering ligger langt tilbake i tid. Det ble her lagt til grunn at en slik vurdering måtte bero på to forutsetninger: for det at dette er ubetenkelig med hensyn til de oppgaver PST er tillagt, og for det andre at det ikke vil være i strid med politiregisterlovens bestemmelser som allerede er vedtatt Resultatet av denne vurderingen vil bli meddelt Stortinget på egnet måte så raskt det er gjort. Flere har ikke bedt om ordet til

debattert. Det er viktig å legge til rette for en langsiktig verdiskaping gjennom en bærekraftig utnyttelse av Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er en trussel mot en bærekraftig utnyttelse av de levende marine ressursene i havet. Norge og Russland forvaltningen av torske- og hysebestandene i Barentshavet og Norskehavet, og ett av hovedmålene med samarbeidet er å få ned denne type ulovlig fiske. Riksrevisjonen og Den

Barentshavet. På tross av en del positive funn på norsk side viste undersøkelsen en altfor høy forekomst av norsk ressurskontroll og for dårlig sanksjonering av overtredelser av fiskeriregelverket. I tillegg var enkelte av Fiskerikommisjonens vedtak ikke fullt implementert, og norske forskere hadde hatt problemer med

og i hvilken grad man hadde løst problemet med UUU-fiske. Riksrevisjonens overordnede konklusjon er at arbeidet har gitt positive resultater så langt.

av ressurskontroll kan svekke muligheten for en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. Derfor er det ikke fullt så gledelig lesning at Fiskerikommisjonens vedtak om

på tørrfisk- og saltfiskanlegg. Derfor er det bra at Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang et

Det er en samlet komité som leverer felles merknader og innstilling om at Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjonens revisjon om forvaltningen av

Målet for dette samarbeidet er å legge til rette for langsiktig verdiskaping gjennom en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Ulovlig, urapportert og uregulert fiske har lenge vært

har man ikke funnet en permanent løsning. Begge lands riksrevisjoner anbefaler derfor at man på begge sider må fortsette med en bred innsats

sier det samme. Mitt spørsmål er i grunnen om statsråden har noe nytt – for dette er jo nå relativt gamle opplysninger – å meddele på dette området, og om det har vært gjort fremstøt i den senere tid. Spørsmål 2 til fiskeriministeren ligger mer det nasjonale. Det står i innstillingen at departementet nå gjennomgår

det. Ei

Arbeidet i de berørte instanser er godt, og samarbeidet mellom de forskjellige instansene er med få unntak også beskrevet som tilfredsstillende. Samtidig – som flere representanter pekte på – synliggjøres utfordringene i det videre samarbeidet med Russland. Det pekes også på enkelte oppgaver som det er behov for på norsk side. Til spørsmålet fra representanten Foss, om det er noe nytt når det gjelder Utenriksdepartementets jobbing overfor russiske myndigheter: Jeg har ikke fått tilbakemelding på at det har skjedd noe. Jeg vet det var et møte

forskjellene mellom Fiskeridirektoratets regioner når det gjelder bruk av sanksjoner. Fiskeri- og

da heller ikke forslag til hvordan vi kan gjøre det bedre. Det vil jeg komme tilbake til når jeg har fått det. Det er viktig å huske på at tilstedeværelse på havet, fiskeriinspeksjoner og

nettopp at jeg vil be statsråden sørge for at man også i forhandlingene og ikke minst i de samtalene man har senere, både med russiske myndigheter og med andre myndigheter, må bli mye flinkere til å kunne få fatt i ikke bare fartøyenes historikk, men også de som står

fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med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

Som en følge av denne hendelsen ble det i løpet av kvelden samme døgn satt i gang en statlig aksjon i regi av Kystverket. Prinsippene som ligger i forurensningsloven, er slik at det er forurenser som er ansvarlig for kostnader knyttet til det som går på avgrensning og

tiltenkt denne aksjonen, er tilstrekkelig til å sluttføre operasjonen. Komiteen har behandlet saken på er helt enig i at det er viktig, nødvendig og riktig å forskuttere kostnader for denne type opprydningsarbeid knyttet til Det er viktig å følge det prinsippet som går på at det er forurenser som er ansvarlig for kostnadene til både å begrense og mener også at det er viktig med en hurtig og kjapp responstid, at det er avgjørende for og at det er om å gjøre å få ut lenser rundt utslippsstedet så fort som mulig. I den forbindelse

Responstiden i forbindelse med oljeutslipp kan kuttes

«Godafoss» grunnstøtte i et sårbart område. Det berører mange som driver næring, det berører folk som bor langs kysten, og ikke minst har det konsekvenser for i området. Derfor er det svært viktig at vi både får testet ut utstyr og har øvelser i Norge, og at vi har en tilstrekkelig beredskap når det gjelder både kvalitet og kapasitet.

med fartøy og kurs og øvingar. I Høgre og Kristeleg Folkeparti sine komitémerknader står det m.a.: «Langs kysten er det som i større grad enn i dag kan brukes til å fjernlose skip i områder hvor det er behov for det, uten at losen fysisk må om bord i Det er også grunn til å stille spørsmål ved om det er nødvendig å ha fire trafikksentraler langs norskekysten når flytrafikken overvåkes av er også gjort kjent med at sjøtrafikken i Sverige overvåkes

Eg kan ikkje lesa desse partia sin merknad annleis enn at dei no går inn for at me kan avvikla dei statlege trafikksentralane i

og eg ser fram til at me no snart skal få Kystverket sin oppdaterte miljørisiko- og beredskapsanalyse. Framtidige tiltak må tuftast på denne.

både når det gjelder eksport av f.eks. petroleumsprodukter og ved import av forbruksvarer. For å ivareta hensynet til en effektiv transport og en

jo mer arbeid og ressurser må man bruke for å rydde opp etterpå. Etter «Godafoss»-forliset tok det hele seks timer før de første lensene kom på plass. Responstiden i forbindelse med oljeutslipp kan kuttes betraktelig ved hjelp av ny teknologi. Den svenske sjøredningen har derfor investert i 25 speedlektere som kan slepes i inntil 30 knop. I Norge har Redningsselskapet testet dette utstyret og kommet fram til at responstiden ved «Godafoss»-forliset kunne ha blitt kuttet ned til en tredjedel ved bruk av slikt utstyr. for alvorlig miljøskade og burde av den grunn vært gjenstand for en omfattende gransking for å sikre nødvendig forståelse for hendelsesforløpet – dette for å unngå at tilsvarende hendelser med potensiell miljøskade skjer igjen. Oslofjorden er jo et område av nasjonal verdi, med

så man kan lure på hvorfor det ikke ble kjøpt inn flere oljeopptakere eller annet utstyr som trengtes, når det var penger til det. Det er viktig at man får på plass topp moderne utstyr så

det samme gode forslaget fra 2005 om igjen, og jeg skulle ønske at SV og Senterpartiet også i dag støtter like helhjertet opp under forslaget. Jeg vil herved vise til Fremskrittspartiets tilråding i

Det har gjort at utstyret er oppgradert i de statlige depotene. Kystvaktens nye fartøy er blitt utstyrt med nytt

med fartøy. Det er også viktig at det blir etablert et felles ledelsessystem for håndtering av alle typer hendelser

Etter det vil det være helt naturlig å vurdere behovet for nye forebyggende tiltak og for flere tiltak mot akutt Senterpartiet mener at ulykkesrisikoen som følge av dagens omfattende skipstrafikk, som også øker, må møtes med en sterk innsats på forebygging og beredskap. Norge har en lang, vakker, flott kyst,

Jeg legger til grunn at Kystverket i sin analyse gjør en grundig gjennomgang og vurdering av både materiell, depotstruktur, lokalisering og dimensjonering av den statlige beredskapen. Analysen skal være basert på en vurdering av risikoen for hendelser og vil utgjøre et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med å utvikle beredskapen videre. Jeg er videre opptatt av at vi har en statlig beredskap mot akutt forurensning, som effektivt forhindrer eller begrenser miljøskade etter

utenfor kysten av Vestlandet og Sørlandet. Vi har opprettet Vardø trafikksentral, som i dag overvåker all tank- og risikotrafikk langs

er også et viktig sjøsikkerhetstiltak. Tjenesten er fullt ut finansiert av brukerne. Jeg slutter meg til vurderingen at lostjenesten må ses i sammenheng med utviklingen i trafikkbildet og navigasjonshjelpemidlene. Det har vi også tatt hensyn til gjennom loseffektiviseringsprosjektet og de nye reglene om losplikt som ble innført 1. januar 2011. I løpet av 2011 skal Kystverket levere en utredning om det geografiske virkeområdet for losplikt. Det

forskriftsverk. Hensikten er å sikre at lovverket er brukervennlig, og å legge til rette for en effektiv lostjeneste som bidrar til trygg

50 pst. av oljen som lekket ut, er tatt opp på sjøen. Ny teknologi gjorde det mulig å lete etter olje også om natten. Dette viser at vi i dag er bedre rustet til å håndtere akutt forurensning enn noen gang tidligere. Det blir replikkordskifte. Slepebåtberedskapen langs norskekysten er

Slepebåtberedskapen langs norskekysten er ikke god nok.

før jeg kan komme med noe som helst forslag, er jeg avhengig av å ha faglige tilrådninger i bunnen. Jeg tror de beste politiske vedtak blir fattet når en har faget som et utgangspunkt.

da betalt med timebaserte satser. Det skal testes ut, både nytt utstyr og Redningsselskapet som aktør som en del av den totale beredskapen. Alt dette er nå nedfelt i

opererer. Jeg registrerer og merker meg også at statsråden er opptatt av at

det mange aktører som på hvert sitt område går gjennom, gransker og etterforsker, og jeg er helt sikker på at vi vil få svar på alle de spørsmålene vi har knyttet til hendelsesforløpet, og vil selvfølgelig ta det med oss som læring i det videre arbeidet. Tidligere i

oss ut av køen. Vi tillot da at leverandørene kunne levere det utstyret til USA. Dette er ikke hyllevare. Det er ikke bare å gå inn på hvilken som helst butikk og kjøpe det; det må bestilles god tid i

stor frustrasjon for befolkningen og andre som er rundt. Det var heller ikke lange tiden før det at vi hadde Fedje-ulykken – vi har hatt flere andre ulykker – og jeg vet nestenulykker som heldigvis går bra. Det er takket være den beredskapen vi har. Men det betyr jo ikke at vi må hvile på laurbærene og la den beredskapen vi nå har, være det som er godt nok. Jeg synes det er ganske fantastisk herlig å høre enkelte representanter fra regjeringspartiene stå på denne talerstolen og si at de er at vi har fått lov til å putte på nytt utstyr på kystvaktbåtene. Ja, den ene båten er det altså ikke mer enn et halvt år siden den samme regjeringen ville legge i dokk

som gjør at en kan frakte lenser og utstyr i 30 knop, noe som vil gjøre at man kan øke responstiden betraktelig i

Hvis det skjer en ulykke om kort tid, har man ikke tid til å vente på en utredning. Det man da trenger, er å få utstyret fort på plass, at utslippet blir minst mulig. Det er jo dét det handler om. Det handler om å ha beredskap, men jeg synes det er spesielt at man har en regjering som mener at beredskapen på Østlandet og noen deler av landet er mindre viktig enn andre deler av landet, fordi man har en langt bedre slepeberedskap i en del av landet enn man har i resten av landet. Det er det dette handler om. Det handler om vi må få action. Vi kan ikke fortsette å vente på at ulykkene skal få lov å skje. Vi må sørge for at man har utstyret sånn at når ulykken skjer, blir det minst mulig skade på miljøet og andre

har fulgt opp de investeringsplanene som har kommet fra Kystverket, og en har økt budsjettene jevnt og trutt fra 2008 og fram til

på forskning og utvikling av nytt utstyr, depoter, innkjøp av nytt utstyr osv. Så det skjer mye, men vi har selvfølgelig

bruk av disse skal rapporteres. 4. I tillegg skal det gjøres en samlet vurdering av hvordan Redningsselskapets ressurser best mulig kan utnyttes i oljevernberedskapen» Dette arbeidet er satt i gang, det er satt tidsfrister, og vi vil få rapporter om det.

statsråden komme til Stortinget med en bred og helhetlig gjennomgang av sjøsikkerhet og en handlingsplan i forhold til dette. Det oppsiktsvekkende er at jeg opplever at statsråden

Men dette tilligger politietterforskningen. Redningsselskapet har sagt at responstiden kunne ha vært kuttet med en tredjedel, og vi tror at det hadde vært klokt med

kunne frykte. For mange av oss som ferdes i mindre båter langs kysten, virker det jo eiendommelig at elektroniske kart ikke i større grad er så utviklet at man bruker vanlig

kanskje skal vera litt forsiktige med å karakterisera kva delar av kysten vår som er mest verdifull. For dei som bur der, er det

verst, og som gjør alt det de kan med de ressursene de har fått stilt til rådighet. Det er det denne debatten her handler om. Skal man fortsette med det man gjør nå? Jeg er veldig glad for at statsråden nå i hvert fall sier at man har inngått noen intensjonsavtaler som man skal teste ut, og så skal man se hva man kan klare å få

i forhold til hva Kystverket hadde ansvaret for og ikke ansvaret for, og hvor båten la seg eller ikke la seg da det som skjedde, skjedde. Jeg synes det er veldig bra, og jeg skryter som sagt veldig av dem som gjør jobben ute i felten, men jeg er ikke like imponert over en regjering som først

ser på som viktigere enn andre, og det er jeg helt enig med ham i. Men da bør man i hvert fall ha som mål å jobbe mot en skikkelig og lik beredskap langs hele kysten. Det er jo et av forslagene som ligger nemlig å sørge for en responstid på 6 timer og maksimalt 12 timer. Det handler faktisk om å ta alle på alvor, å ta hele kysten på alvor og sørge for at det ikke blir forskjellsbehandling enten man bor i den ene eller den andre delen av landet, at man har god beredskap over hele landet. Når det skjer en er det selvfølgelig viktig at man har utstyr og mulighet for å kunne både Det man definitivt opplevde med «Full City», var at mye kunne ha vært gjort annerledes, mye kunne ha vært bedre, hvis man hadde hatt det rette utstyret på

Jeg er glad for at representanten

at forslaget om å legge Kystvakten til kai i vårt område, kanskje ikke var det klokeste forslaget som har kommet. Men det var flere av oss som engasjerte oss, både ordførere jeg må skryte av forsvarsministeren som da tok signalene, snudde og gjorde om på det forslaget. Det synes jeg var bra. Det viser også at vi har en regjering som lytter til innspill.

Presidenten vil videre foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil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

Dette uttaler forskere, som mener at driften allerede har vært i ubalanse med naturen i minst 30–40 år. Statsråden løfter fram reindriftsloven av 2007 som

Fremskrittspartiet har tatt til orde for nedslakting for å komme denne uholdbare situasjonen til livs, men har ikke blitt hørt. Fremskrittspartiet registrerer at det er strid om

mat- og landbruksminister Brekk sitter og ser på, og skylder på forvaltningen og hevder at det ikke er hans ansvar. Det er på tide at landbruksministeren innser at han kan delegere vekk arbeidet til Reindriftsforvaltningen, men han kan selvfølgelig ikke gjøre det han gjør i dag, nemlig å prøve å delegere vekk ansvaret sitt som minister. Landbruksminister Lars Peder Brekk sitter med ansvaret, og da er det på tide å ta ansvar. Vi registrerer at

mener at det er et uheldig signal å gi at man i forvaltningen belønner de næringer som bryter lovverket i stedet for å prøve å forebygge de konflikter som skapes i hele Nord-Norge. Jeg vil med dette fremme de forslag som

Etter Arbeidarpartiet sitt syn er det forståeleg at reineigarar som ikkje på nokon måte har bidrege til den lageroppbygginga som har skjedd i Finnmark, er bekymra for

Dette tyder på at statsråden no køyrer hardt på for å få ned reintalet der det er nødvendig. Det er bra. Dette er i Vest-Finnmark er ikkje avklart – dvs. det er ikkje avklart kvar den enkelte reineigar har rettsleg grunnlag for beiteretten sin. Dette har det vore ulike forsøk på å

Takk, president.

har en rekke ganger tatt til orde for at reindriften trenger en egen stortingsmelding. Vi har dessverre ikke fått gjennomslag for det. Utviklingen når det

tillegg kan det være andre mørke skyer i horisonten. Energisituasjonen, med bygging av nytt linjenett og planer om store vindkraftanlegg, er

Når man i tillegg registrerer at landbruksmeldingen ikke kommer med ilbud, er det etter Høyres mening ingen grunn til å være for fornøyd, men heller være litt bekymret på næringens vegne. Høyre ser med forventning fram til å behandle landbruksmeldingen. Der bør det skisseres politikk til rette slik at reindriftsutøverne behandles som næringsutøvere. Da har man sjansen til å redde en av de mest spennende matnæringene vi har. I saken er Høyre medforslagsstiller til to forslag

Men i tillegg til det som går fram av reindriftslova – det som har med bruksreglane å gjere – er det nettopp reindriftsforhandlingane som er det

Forslaget til reindriftsoppgjer legg vekt på å stimulere til marknadsretta produksjon og verdiskaping, og til auka sal. Det vil leggje grunnlaget for betre økonomisk berekraft i

at viss vi klarar å utvikle det potensialet som ligg i marknaden, er det grunnlag for å byggje ei

Finansiering av tiltak for distrikt som er forhindret fra å bruke vinterbeiter i Sverige på grunn av at ny reinbeitekonvensjon ikke er operativ, vil også bli løst gjennom februar ble det brudd i forhandlingene mellom partene, og i samsvar med hovedavtalen og vedlagt sluttprotokoll fra forhandlingene er det statens siste og reviderte tilbud som

vekt på å stimulere til markedsrettet produksjon og verdiskaping. Forslaget er særlig innrettet mot reindriftsutøvere som har reindrift som hovednæring, og forslaget innebærer en videreføring og videreutvikling av de

skal drive. Det er videre svært viktig at reindriften drives på en bærekraftig måte. Det er nedgang i resultatmålene fra 2008 til 2009, og det er meget store variasjoner i vederlag målt per årsverk for arbeid og egenkapital. Det

Hvis næringen skal gjøres økologisk og økonomisk bærekraftig, er det flere utfordringer som må løses. Disse utfordringene varierer mellom reinbeiteområdene, men utnyttelse av beitearealer er Det gjelder enten det er tale om for stort beitetrykk, som i Finnmark, eller å sikre tilstrekkelige arealer til å at hvis næringen skal bli økonomisk og økologisk bærekraftig, må en få bukt med de store tapstallene på grunn av rovvilt. Ikke minst er det behov for å få oversikt over de reelle tapene. Det er bare 6 pst. av tapene som er

bedres. En bedret internkontroll vil redusere omfanget av tap og bedre kvaliteten i alle ledd i verdikjeden. En god internkontroll er nødvendig for å bedre kvaliteten og stabiliteten i leveransene. For å lykkes i dette arbeidet må de For å lykkes i dette arbeidet må de ulike aktørene i verdikjeden ta ansvar både for å øke slaktingen, kvaliteten og omsetningen av reinkjøtt. Bedret kvalitet er avgjørende for å løse den For å øke etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er det nødvendig med generisk markedsføring på samme måte som for mange tegnet i proposisjonen, viser at det er behov for en grundig gjennomgang både når det gjelder utviklingstrekk og tiltak for å bedre Derfor er det positivt at regjeringen sier at den varslede meldingen om landbruks- og matpolitikken vil ta opp noen av problemstillingene som denne næringen står overfor. Men det er ikke tilstrekkelig for å få Det er nå 19 år siden Stortinget behandlet en egen stortingsmelding om reindrift. Derfor påpekte opposisjonspartiene behovet for en ny reindriftsmelding i forbindelse med behandlingen av lov om reindrift i

Situasjonen i årets reindriftsavtaleforhandlinger føyer seg for øvrig inn i et bilde Ikke minst gjelder dette med hensyn til ressurssituasjonen i deler av Finnmark. Det viktige arbeidet med utarbeidelse av bruksregler er nå inne i en sluttfase. I noen av sakene har departementet

De nye vedtakene er nå til vurdering i departementet. Disse egentlig litt uvanlige skrittene viser at jeg tar ressurssituasjonen i reindriften svært alvorlig og vil forsikre meg om at det også gjennom vedtak Ved inngangen til slaktesesongen 2010 var markedssituasjonen for reinkjøtt svært ble avtalepartene enige om å etablere en midlertidig reguleringsordning fram til Partene inngikk avtale med Nortura SA som operatør for tiltaket. I desember valgte avtalepartene å forlenge avtalen med Nortura fram til 31. mars. Uenigheten som førte til brudd under årets reindriftsavtaleforhandlinger, har særlig vært knyttet til avviklingen av

høst. For å redusere de negative virkningene for private aktører som har reinkjøtt på lager, og for å legge til rette for en raskest mulig etablering av normale

styre prisene på reinkjøtt og gi viktige signaler med hensyn til et mulig prisbilde i kommende slaktesesong, og dermed gi aktørene anledning til å tilpasse seg. Vi må konstatere at det var en grunnleggende uenighet mellom NRL og om disse spørsmålene, selv om et brudd i og for seg var en beklagelig utgang på forhandlingene. Jeg vil imidlertid i det videre arbeidet legge opp til et tett samarbeid med NRL og markedsaktørene for å finne så gode løsninger som mulig, både på kort og Stortinget har i løpet av det siste året i stor grad hatt oppmerksomheten rettet mot reindriftspolitikken, som også flere representanter har nevnt her i salen i dag. Jeg har besvart en rekke spørsmål om

I og med at det økte uttaket i hovedsak er knyttet til Finnmark, har dette tiltaket vært svært viktig med sikte på å unngå en ytterligere økning av

tap av f.eks. reinkalver på sommeren. Det er svært vanskelig, fordi de forsvinner etter veldig kort tid, og

Jeg er opptatt av at det skal være en erstatningsordning som er reell og skikkelig, og som gir erstatning for de

Har statsråden gjort seg noen tanker om hvordan disse bestemmelsene om merking kan følges opp på en mer effektiv måte? For det er jo helt opplagt at det å merke tamrein vil være et enkelt, men veldig effektivt tiltak for å skaffe mer oversiktlige forhold i næringen. Ja, det er enkelt og

Det er regelen, og det skal følges opp

tak

gjennom ulike spørsmål og ulike debatter tidligere. Det er imidlertid helt avgjørende at vi nå lar reindriftsloven får på plass bruksregler, og at vi lar Reindriftsstyret få fastsette reintallene i løpet av dette året. Da får vi et reintall som skal være utgangspunktet for tilpasningen i næringen, og som skal skape et bedre økologisk og økonomisk grunnlag for

Det er snakk om at det systemet som man har per i dag gjennom reindriftsavtalen, er med på å understøtte dagens system, som gjør at man brenner inne med kjøttet og ikke dagens system som gjør at vi gang på gang kan lese i media om konflikter mellom dem som driver med

Så til systemet. Ja, vi har et system som ivaretar reindriften, fordi den er viktig for Norge. Vi har et politisk system som sier at vi skal forhandle om rammevilkår, som sagt. Så til systemet. Ja, vi har et system som ivaretar reindriften, fordi den er viktig for Norge. Vi har et politisk system som sier at vi skal forhandle om rammevilkår, som vi har gjort i mange år, og som ikke resulterte i en avtale dette

Så angriper man systemet og nevner til og med at vi skal ha en avtale med svenskene. Ja, det er faktisk slik at vi har hatt en avtale med Sverige

Så da må man jo nesten gå tilbake til 1751, president, for å se på om man skal endre på systemet. Jeg er opptatt av å finne gode løsninger for

gi? Når det gjelder tap av rovdyr, kan man gjerne unnskylde seg med at det ikke har noe med reindriftsnæringen å gjøre, men det har det, og vi må kunne se næringen under ett og ikke skylde på andre ministre. Det viser ansvarsfraskrivelse. Regjering er

Men vi har på sett og vis ikke på plass en ny konvensjon. Det jeg er opptatt av at vi skal få på plass, er avhengig av at begge landene får ordnet opp i det hvert på sitt vis, og at vi følger det omfattende arbeidet som er gjort

fra før, for å effektivisere skogsdriften og styrke foretakets

Så bare noen kommentarer til Høyre og Fremskrittspartiets felles ønske om å redusere det statlige eierskapet, kombinert med formodningen om at privat skogforvaltning gir bedre resultat enn den

er ofte også, helt avgjørende for å holde virkesleveransene til foredlingsindustrien på et stabilt nivå. Jeg går ut fra at det ikke er ukjent at aktiviteten i gårdskogbruket i betydelig grad kan være

Jeg mener derfor at vi må ha et robust og sterkt Statskog, som i tillegg til å drive skogbruk på en optimal måte og sørge for stabil

Det ble også sagt at et slikt videresalg av eiendommene skal gi muligheter for et aktivt lokalt eierskap. Inntektene fra salget skal gå til nedbetaling av det statlige lånet, som er på Når det gjelder Statskog, har man tre hovedmål. Det ene er å øke egen og andres verdiskaping i tilknytning til eiendommen samt skape og sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom rasjonell og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, kapital og

ønsker helt presist at salget starter innen 1. august 2011, men ser at ingen andre er enig i dette, og at de heller ønsker å vedlegge forslaget

på Østlandet og i Midt-Norge gjennomføres innen 2017. Dette er for lang tid, og man må undre

Komiteens flertall var fornøyd med at det var lagt opp til et omfattende arronderingssalg av spredte skogteiger som foretaket eier fra før. Flertallet ba

Komiteens flertall var fornøyd med at det var lagt opp til et omfattende arronderingssalg av spredte skogteiger som foretaket eier fra før. Flertallet ba videre regjeringen vurdere, innenfor de samme rammene, arronderingssalg av spredte skogteiger også i Nordland og i Troms.

Direktoratet for naturforvaltning skal gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges, før de legges ut for salg, for å kunne bruke disse til eventuelt vern eller makeskifte knyttet til vern av og jeg understreker det – at dette ikke påvirker salgsprosessen eller inntektene til Statskog på noen negativ måte. Det blir

Når det gjelder tiden salget tar, er det basert på et utkast fra Statskogs styre. Det er selvsagt slik at styre da må vurdere hvorvidt et omfattende salg, som vi snakker om her, vil føre til påvirkning av pris, muligheten til å ta ut pris i et marked. Det er til grunn for tidsfristene her. Så er det også slik at det er et omfattende – et stort – salg som skal gjennomføres. Det tar tid og styre å få det på plass. Jeg er opptatt av at det skal skje skikkelig, grundig, riktig og i tråd med de prinsipper som er vedtatt fra regjeringens side. Jeg takker statsråden for svaret, som jeg ikke er

Hvordan vil Statskog hogge, avvirke videre? Vil man hogge i den skogen som ikke skal selges, eller vil man hogge i den skogen som skal

som avgjør framdriften her. Når det gjelder spørsmålet om omfanget av hogst, som også er tatt opp i tidligere spørsmål fra representanten Bredvold, har i at en undersøkelse viser at grunnlaget for hogst i de skoger som er kjøpt, er mye bedre enn det som var oppgitt

er følgende: Er statsråden kjent med noe i utviklingen i det nær halve året som har gått etter kjøpet, som gjør at han ser noe annerledes på det han har beskrevet her, at det var forretningsmessig bra, at det var en historisk sjanse, og at det var en unik mulighet for

har i dag en opsjonsavtale med Statskog SF om utvikling av alpin- og turistsenter. Jeg er kjent med at Nordlandsporten utviklingsselskap mener prosessen har tatt svært lang tid og ikke er fornøyd med at Statskog SF ønsker å Det er vel rett svart at de ikke er fornøyd.

Staten er 100 % eier av Statskog SF.» Så står det følgende: «Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.» Det vil si at statsråden har ansvar for hvordan Statskog skal drives. Han

har lyst til å starte med å si at jeg er utrolig glad for at vi har et samfunn og et system som store skogeiendommer blir satt i spill gjennom salg, har vi muligheten til å sikre det i en fornuftig ramme som Statskog, når Borregaard og Orkla valgte å

en betydelig presisering at det var et omfattende

foreslår i denne saken, og det er ikke hva flertallet har sagt jeg hører på representanten Aasland, hører jeg at han har en annen virkelighetsoppfatning av det som er sagt. Hvis representanten Aasland hørte på mitt innlegg: Jeg hadde et eksempel på

den grunnen de har, og slipper ikke til lokal utvikling. Det er jo ikke noe rart at distriktene fraflyttes, det er ikke noe rart at det går nedenom og hjem, bl.a. med gårdsbruk og alt sammen, når vi

Når han tar fram et prosjekt i Grane kommune som et eksempel, blir det

Så var det representanten Torgeir Trældal, som nevner en sak

I Grane kommune er det en situasjon der Statskog SF og en lokal entreprenør ikke har blitt enige om

på gang på gang på

en

innstillingen. Det ventes altså at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil stemme imot. I tillegg varsles det at Venstre også støtter